uføretrygdede øker, særlig gjelder det personer med psykiske vansker. Seks av ti uføretrygdede under 40 år er trygdet på grunn av en psykisk lidelse, ifølge tall fra Nav. En del syke og funksjonssvake mennesker er absolutt ikke i stand til å arbeide. Disse menneskene skal ikke stresses opp. De som er for syke til å jobbe, skal oppleve å ha et godt sikkerhetsnett med en trygg og forutsigbar inntektssikring. Det er et kvalitetsstempel på et godt samfunn at vi trygger hverdagen og ivaretar dem som ikke greier seg selv. Men like grunnleggende er det at alle som kan, har lyst og evner, skal få en ny sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Alle som kan jobbe helt eller delvis, skal vi tilrettelegge for, slik at de kommer i jobb. Det bidrar til et sterkere sosialt sikkerhetsnett. For de aller fleste er arbeidsplassen den viktigste sosiale arenaen og nettverket utenom familien. Den nye regjeringen vil ha et arbeidsliv med gode tilretteleggingsordninger som inkluderer flest mulig. Det fungerer ikke godt nok slik som vi har det i dag. 80 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Det må legges bedre til rette for dem med nedsatt funksjonsevne i arbeidsliv og i dagligliv, fordi samfunnet trenger arbeidskraften, og for at de skal kunne delta i fellesskapet på arbeidsplassen på lik linje med andre. Derfor ønsker regjeringen å styrke tilretteleggingsgarantien og funksjonsassistentordningen for dem som trenger litt støtte og funksjonstilpasning for å yte Det er få oppgaver i Norge i dag som er viktigere enn å tilrettelegge og inkludere flest mulig i arbeidslivet. Jobben er ikke bare viktig som en inntektskilde; den er også viktig som et godt sosialt sikkerhetsnett. Skal vi få flere mennesker i jobb, trenger vi ikke bare god politikk, men et arbeidsliv der lederne ikke ser seg blind på begrensninger. Det er viktigere å fokusere på hva hver enkelt kan bidra med. Ett eksempel er NHOs «Ringer i vannet»-prosjekt. Målet med prosjektet er at NHOs medlemsbedrifter i større grad skal rekruttere dem som sliter med å komme inn i arbeidslivet. Dette viser at vi i Norge har en bred og godt organisert arbeidsgiverside som viser samfunnsansvar. Samtidig er det også en egeninteresse i prosjektet; NHOs bedrifter rekrutterer mange dyktige folk. Den nye regjeringen ønsker å slippe alle gode krefter til. Mange kan bidra og gjøre hverdagen bedre for dem som mangler et godt sosialt sikkerhetsnett. Det handler om å se det enkelte menneske, bry seg og ikke la systemene stå i veien for de gode løsningene. Det har vore hyggjeleg å følgja trontaledebatten i dag og registrera at kommunesektoren har fått stor plass og mykje god Det har vore hyggjeleg å følgja trontaledebatten i dag og registrera at kommunesektoren har fått stor plass og mykje god omtale. Kommunane er viktige for vårt demokrati. Heilt sidan 1837, då me fekk formannskapsloven, og fram til i dag har kommunane spelt ei viktigare og viktigare rolle for folket – for innbyggjarane. Nye oppgåver har dei fått fortløpande, og kommunane har løyst dei på ein svært god måte. Det er nemleg slik at jo nærmare innbyggjarane ein er, jo betre blir vedtaka og jo betre blir prioriteringane. Derfor er eg ein stor tilhengar av lokalt sjølvstyre og av kommunesektoren generelt. Eg er derfor svært takknemleg for at partiet mitt har gitt meg sjansen til å sitja i kommunal- og forvaltningskomiteen her på Stortinget, etter 14 år som lokalpolitikar. Mine beste augneblink som lokalpolitikar har vore når eg har hjelpt folk med dei heilt enkle sakene, dei daglegdagse problemstillingane, som at dei skal byggja på huset, byggja seg eit naust, få til eit kulturarrangement eller skilja frå ei tomt til etterkomarane sine. Spennet er veldig stort med omsyn til kva ein lokalpolitikar får oppleva, og ein er heile tida tett på er eg svært glad for at den politiske plattforma til Høgre og Framstegspartiet så tydeleg anerkjenner det lokale sjølvstyret, og at det alt i innleiinga står: «Regjeringen vil bidra til en enklere hverdag for folk flest. Mer makt og myndighet må overlates til lokalsamfunnet.» Plattforma har gjennomgåande tillit til det lokale sjølvstyret og dei tankane og dei haldningane som blir sette pris på i Kommune-Noreg, og som gleder fleire enn meg. Regjeringa og samarbeidspartia har sagt at det skal gjennomførast ei kommunereform. Dette har blitt tatt litt ulikt imot. Nokon helsar velkommen ein prosess for å diskutera ei vidareutvikling av kommunesektoren, og nokon tolkar det som at ein skal sitja i Oslo og teikna eit kart. Me har ikkje tenkt å teikna noko kart frå Oslo. Dette skal vera ein prosess der Stortinget blir invitert med tidleg, og eg håpar så mange parti som mogleg vil vera med på dette arbeidet. Men det kanskje aller viktigaste: Kommunane skal vera med i denne prosessen. Dei skal få lov til å bidra. Hovudmålet er ikkje å teikna kart; hovudmålet er å styrkja lokaldemokratiet ytterlegare, slik at kommunane i framtida òg skal kunna tilby gode tenester med høg kvalitet for innbyggjarane. Me er innstilte på å gi kommunane endå fleire nye oppgåver. Det er fordi kommunane lokalt veit best. Dei har vist heilt sidan 1837 at dei har løyst oppgåvene sine veldig godt. er det akkurat 50 år sidan den førre store kommunereforma tredde i kraft, etter at Skei-komiteen hadde gjort sitt arbeid. Veldig mykje har skjedd i Noreg på 50 år. Avstandane har blitt mindre, nye løysingar innanfor teknologi har kome, så det er naturleg å sjå på om den geografiske inndelinga me har i dag, er den mest hensiktsmessige. Det kan godt henda at 428 kommunar ikkje er svaret med to strekar under med omsyn til kva som er den beste organiseringa. Bakgrunnen for å omorganisera kommunesektoren er å bruka ressursane smart og sikra gode fagmiljø både med tanke på dagens oppgåver og ikkje minst dei nye oppgåvene ein har tenkt å gi kommunane. Derfor må dette sjåast på, men landet er forskjellig. Derfor må kommunane vera med i denne prosessen, og det er heller ikkje aktuelt å setja – frå dette nivået – eit tal for kor mange innbyggjarar ein må vera for å vera eigen kommune. Så ynskjer me òg å koma med nokre positive økonomiske verkemidlar som vil gjera det attraktivt å slå seg saman. I dag er det element i inntektssystemet som er innretta motsett, slik at det kan vera ulønsamt med elles fornuftige samanslåingar. Dette er ting me må sjå på. Så gleder det meg veldig at regjeringa vil la kommunane få behalda meir av er faktisk eit poeng at skal me anerkjenna det lokale nivået, må det i større grad leva av eigne inntekter framfor av overføringar frå staten. Skattemoralen til næringslivet vil òg vera større om inntektene deira blir igjen lokalt og blir investert i idrett, kultur, skular, barnehagar og eldreomsorg, enn om alt skal bli sendt til Finansdepartementet og så bli fordelt tilbake etter nokre nøklar. Derfor er eg veldig glad for at ein i regjeringserklæringa seier at ein skal sjå på selskapsskatten, og at ein del av han skal tilbakeførast til kommunane. Det aller kjekkaste med regjeringsplattforma for ein lokalpolitikar er å lesa formuleringa om Fylkesmannen og registrera at Fylkesmannen si makt overfor det lokale sjølvstyret skal avgrensast. Det trur eg er noko lokalpolitikarar – tverrpolitisk – har lese med stor glede. Dei ser fram til at ei regjering anerkjenner at det er dei lokale folkevalde som veit best kva som er best for kommunen, og ikkje Fylkesmannen.

Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt fra staten til lokale folkevalgte organ og på den måten gi borgerne økt innflytelse over egen hverdag. Grunnloven skal regulere forholdet mellom borgerne og staten, og statsmaktene seg imellom. Grunnloven vil gjennomgå store endringer i kommende stortingsperiode, både som følge av Menneskerettighetsutvalgets stilling i loven, og som følge av vedtatte språklige endringer. Venstre støtter en styrking av borgernes rettigheter i Grunnloven. Det er fortsatt behov for en oppdatering av Grunnlovens beskrivelse av landets styresett. Vi har bestandig gått i bresjen for å utvide demokratiet. De folkevalgte skal være folkets ombud, og det er derfor viktig at en har færrest mulig profesjonelle ombud. De ombud som gis mandat av Stortinget, bør først og fremst være knyttet til Barneombudet. Venstre vil styrke det lokale selvstyret og gi folk innflytelse over egen hverdag. Det lokale selvstyret innskrenkes stadig mer av statlig detaljstyring og taper terreng overfor statlige forskrifter, rundskriv og stortingspolitikeres trang til å blande seg opp i små ting. Venstre mener at maktsentralisering er alvorlig og uønsket, spesielt fordi vi trenger å flytte mer makt og flere oppgaver over til lokaldemokratiet. Venstres utgangspunkt er at desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling. Venstres politikk for kommunestruktur, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og kommunikasjon, kunnskap og helse er alt innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokalsamfunn og distriktssentre og gjøre det mulig å leve over hele landet. Venstre er bekymret for et økende dokumentasjons- og kontrollregime i mange deler av offentlig sektor. Mye tid og ressurser går med til administrasjon og byråkrati. Vi vil arbeide for å begrense byråkratiske regler og rutiner også for offentlig ansatte, noe som igjen vil gjøre hverdagen enklere for borgerne. Store deler av offentlig sektor er preget av detaljstyring. Det legges for lite vekt på den vurderingsevnen de ansatte har som fagpersoner. Dette skaper lett situasjoner der enkle saker blir prioritert foran dem som er vanskelige og Offentlig sektor har et konstant behov for fornyelse. Antall direktorater, tilsyn og deres oppgaver, reguleringer og kontrollfunksjoner må gjennomgås med sikte på å tilbakeføre politiske funksjoner til folkevalgte organer. Ut fra det jeg har sagt, ønsker Venstre en kommunereform velkommen, noe som er og blir en demokratireform, der makt desentraliseres fra stat til regioner og kommuner. Dagens fylkeskommuner er ikke og må endres. Venstre mener at dagens fylkeskommuner skal erstattes av et nytt folkevalgt regionalt nivå med færre og sterkere og større regioner. Sterke regioner må ha politisk makt og økonomiske ressurser. I dag er mye av den makten plassert hos staten. De norske regionene skal være et selvstendig og fullverdig forvaltningsnivå, slik kommunene er det på lokalt nivå, med omfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser fra staten. region, eksempelvis Trøndelag. Det er videre viktig å gi forvaltningsoppgaver fra fylkesmannsembetet, slik som arealbestemmelser, senterstrukturer og andre skjønnspregede retningslinjer, til de nye regionene. Venstre vil gi borgerne bedre tilbud i sine nærmiljø. En kommunestruktur, som flere har vært inne på, fra står i sterk kontrast til de bo-, handels-, arbeidsmarkeds- og serviceområdene som vi har i dag. Mange kommuner har ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester. En demokratireform, der flere oppgaver blir sentralisert fra stat til regioner og kommuner, krever mer robuste og bærekraftige kommuner, som gir større kommuner med større ansvar enn de har i dag. Det vil gi muligheter både innenfor pleie og omsorg, og ikke minst vil en se at et utall av IKS-løsninger verken er demokratisk eller bærekraftig. Det er en selvfølge at vi er nødt til å ha øye for geografiske avstander i det videre arbeidet, og det må lages ordninger som gjør det lønnsomt for kommunene å se på dette. Det er også viktig å ha tempo og smidighet knyttet til dette. Det Det må være incitament for at det skal lønne seg for små kommuner å slå seg sammen, slik at de ser at det blir økonomisk gunstig. Det er i kommunene velferdsproduksjonen foregår, derfor må vi også gjøre dem i stand til å gi innbyggerne et godt tilbud. Det er mange sektorer som har behov for forenkling og fornying, ikke minst innenfor landbruket. Men å ta vekk konsesjonsbestemmelsene og priskontrollen er ikke svaret på det.

Vi har sittet på den grønne gren, og vår velstand har økt kraftig. Det skyldes en utrolig forbedring i vårt bytteforhold med utlandet – det er ikke noe sosialdemokratisk initiert forhold. Det har økt handlingsrommet kraftig. Jeg stusset da jeg hørte den tidligere, eller avtroppende, finansministeren presentere budsjettet. Da sa han: «Om prisene på norsk eksport» – det vet vi alle er olje – «skulle falle, vil det kreve det beste samarbeid for å få kostnadene ned på et bærekraftig nivå.» bærekraftig nivå.» Det er et ganske sterkt utsagn av en avtroppende finansminister. Det sier noe om at måltidet er fortært, og vi får håpe at det ikke bare er oppvasken igjen. I motsetning til en del andre representanter har jeg sett på regjeringserklæringen og regjeringsplattformen som et kraftig løft i forhold til hva vi har hørt de siste årene. Her var det et overordnet budskap. Det var tro på konkurransekraft – at konkurransekraften måtte løftes fram – verdier må skapes før de fordeles, det er tillit til enkeltmennesket, det er tillit til at lokalsamfunn tar de riktige beslutningene for seg, og at beslutningene skal tas nærmest mulig dem det gjelder. Jeg stusset også da jeg hørte representanten Stoltenberg – og når man hører en tidligere statsminister, lytter man nøye. Han sa at vi hadde høy produktivitet i Norge, han sa at investeringsnivået ikke var spesielt skjevt, og han nevnte ikke todelingen. Så kan vi se på hva som er fakta. Oljeavhengigheten i Norge har økt kraftig under den rød-grønne regjeringen – enkelte hevder at den er halve den norske økonomien som nå svinger med oljeindustrien og oljeaktiviteten. Vi vet også at kostnadsnivået i Norge har gått fra 20 pst. til 70 pst. over våre handelspartnere. Vi har høy produktivitet i Norge – ja, det har man utviklet over mange, mange år. Men hvis vi ser på den avtroppende regjerings egne dokumenter, har den glemt å utvikle den produktiviteten. Etter 2006 har vi hatt lavere produktivitetsvekst enn våre handelspartnere, som er den motsatte situasjonen av hva vi hadde før 2006. Det sier kanskje litt om hvilke politiske løsninger som ligger bak. På investeringssiden har SSB påpekt at i fire år har netto investeringsnivå, altså hvis man tar bruttoinvesteringer og trekker fra kapitalslitet, vært negativt i industri i Norge. Det er nærmest en avviklingsstrategi for Fastlands-Norge. Og todelingen: Jeg kommer selv fra et fylke, Hedmark, hvor sysselsettingen i privat sektor faktisk har gått ned siden 2008, og det er under rød-grønn regjering. Så her trengs det nye ideer. Derfor var regjeringserklæringen og plattformen så befriende i det at man skal satse på ansattes medeierskap. man skal satse på ansattes medeierskap. Man skal satse på privat eierskap bredt. Man skal satse på forskning gjennom BIA, f.eks., altså de næringsrettede ordningene. Man skal satse på egenkapital i næringslivet, det er første forutsetning for å bygge trygge arbeidsplasser, gjennom at formuesskatten skal ned. Man har også signalisert Man skal gå gjennom avskrivningsregler for å bedre konkurransekraften til norsk økonomi. Man skal satse på nøytral moms i stats- og helseforetak, noe som kommer til å være veldig viktig for å drive innovasjon opp mot offentlige tjenester. Man skal satse på forenkling – 25 pst. reduksjon i forhold til hva som var nivået i 2011. Det tror jeg er sterkt etterlengtet. Og man erkjenner at Norge har en liten, åpen økonomi, og åpen økonomi, og vår velstand er bygget på at vi har en aktiv handel med verden rundt oss. Selv for landbruk, som også ligger under næringskomiteen, som jeg nå blir en del av, har vel de fleste fått med seg at det er blitt storm allerede over at det er nye ideer på tur inn i departementet. Jeg hører med til dem som mener at det er både sterkt etterlengtet og altfor forsinket. Det blir spennende å følge med i prosessen mot at bonden igjen skal få større råderett over egen eiendom, og at eiendomsretten skal styrkes igjen. Men det som er helt sikkert, er at nye ideer og bedre løsninger er på tur inn i departementene. Det var på høy tid.

hvert annet år og hvert tredje år av tørke. Når jeg treffer El Salvadors miljøvernminister, forteller han om hvordan det er å bli rammet av tropiske stormer som et av verdens mest klimautsatte land. På 1970-tallet, i forrige århundre, hadde de én tropisk storm, som tok 3–5 pst. av bruttonasjonalproduktet. På 1980-tallet var det to. På 1990-tallet var det fire. Og det første tiåret av dette årtusen var det åtte tropiske stormer. Den siste tok 16 pst. av statsbudsjettet deres. Det er omtrent like mye som vi bruker på forsvar, på utviklingshjelp og på spesialisthelsetjenesten til sammen. Dette er virkeligheten i El Salvador. I Bangladesh traff jeg folk som bor i områder som kommer til å havne under vann med all sikkerhet hvis vi legger klimapanelets prognoser og antakelser til grunn. Energi- og klimaspørsmål handler om rettferdighet, og det handler om fordeling: Hvem som forårsaker klimaendringene, hvem som rammes, og hvem som må ta ansvaret for den omstillingen vi alle vet er helt nødvendig. Så lenge det forurenser å skape energi og det å bruke energi skaper vekst, sier det seg selv at de som slipper ut mer, er vi som har hatt den største velstandsveksten de siste hundre årene. Vårt mål er at alle mennesker i verden skal ha like stor rett til å kunne forurense innenfor rammene av det naturen tåler. Du kan legge den gylne klimaregelen til grunn: Vi skal forurense like lite som vi mener at andre må forurense, for at vi sammen skal stoppe de farlige klimaendringene. Det handler om rettferdig fordeling, det handler om naturmangfoldet, det handler om å stoppe ranet av det biologiske mangfoldet som vi ser skjer hver dag i verden. Det er lenge til vi er der, men i løpet av vår tid i regjering har utslippene fra Norge gått nedover, og vi er på det laveste nivået siden 1995, hvis vi ser vekk fra finanskriseåret, men vi er milevidt over det kloden tåler. Derfor er det bra at Venstre og Kristelig Folkeparti fikk inn i samarbeidsavtalen at regjeringen skal styrke klimaforliket, men jeg finner lite igjen av det lederskapet som trengs, både i den erklæringen som ble framlagt fra regjeringens side, og i tiltredelseserklæringen til statsminister Solberg. Der er arbeidet for å stoppe de farlige klimaendringene mindre viktige prosjekt enn å få til kommunesammenslåing – tro det den som kan. Vi ser lite av det lederskapet som trengs fra en regjering, ifølge Lord Nicholas Stern – Lord Nicholas Stern, økonomen som gjennom sitt banebrytende og anerkjente arbeid har vist hvor fornuftig det er å starte omstillingen nå istedenfor å vente til senere. Det blir dyrere, og flere mennesker blir rammet på veien. Det handler om å lede omstillingen til en verden der vi ikke slipper ut klimagasser i nærheten av det nivået som vi gjør i dag. dag. Da må vi gjøre det som trengs, og det er mye hvis vi legger FNs klimapanel til grunn. Klimakonsekvensene av oljen og gassen vi pumper opp, er større enn fra klimautslippene fra hele Afrikas befolkning. Vi er fem millioner mennesker, de er omtrent en milliard. Inntrykket som skapes fra representanter i den nye regjeringen, er at det er ingen tegn til å sette i gang den omstillingen til bærekraftige næringer som mange av næringslivets aktører tydelig etterspør, bl.a. i Dagens Næringsliv rett etter valget. Det er også sånn at i debatter kan det virke som om Høyre og Fremskrittspartiet har større fokus på økt veisatsing rundt de store byene enn å oppfylle klimaforlikets klokkeklare krav om at hele persontrafikkveksten skal tas gjennom kollektiv og gjennom sykkel og fot, altså Vi trenger at Det norske storting tar lederskap de neste fire årene for å drive gjennom omstillingen mot det lavutslippssamfunnet som vi vet er nødvendig. Vi kan godt fortsette med å lure oss selv og skaffe oss en plan B. Men vi har ingen planet B. Derfor må vi gjøre

Det er ikke et eget prosjekt, det er en del av verdiene som vi bygger politikken på. Det ville jo være meningsløst å si at det skulle være et eget prosjekt å tenke miljø. Det bør være noe en har i ryggmargen. Vi ser helheten i det vi gjør: Vi skal bygge ut bedre veier rundt byene, men også mellom byene og i distriktene. Vi skal bygge ut en bedre jernbane for å sørge for at pendlerne får en bedre hverdag, og at mer av transporten av varer kan gå i godstog. Vi vil bygge ut skipsfarten, støtte opp om den internasjonale skipsfarten som Norge har, og ikke minst sørge for at nærskipsfarten blir mer konkurransedyktig. Vi skal sørge for at flyene våre går over hele landet, slik at folk kommer seg til og fra møter, konferanser og ferier. Derfor er det viktig med den politikken vi legger opp til, der vi både skal sikre midler Det vil vi gjøre gjennom ulike strukturforslag i det store og hele og sågar ved å endre måten vi har organisert regjeringssystemet på, ved at vi nå flytter havneansvaret inn i Samferdselsdepartementet, for dermed å få samlet alle transportformene under én hatt, istedenfor å ha det spredt, sånn som før. Jeg skal gi honnør til de rød-grønne partiene for at de har gjort som Stortinget har ønsket, nemlig å løfte bevilgningene til infrastruktur de siste årene det er bra. Men etterslepet er fortsatt stort. Ser vi på budsjettet for 2014, ser vi at man finansierer ikke det ansvaret man har påtatt seg i den nye nasjonale transportplanen. Der har storting og regjering en jobb å gjøre sammen. Man kan ikke bare komme med store løfter, mens man underfinansierer etterpå og ser at vedlikeholdsetterslepet vokser. Det som den nye regjeringen, Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, vil gjøre, er å opprette et infrastrukturfond. Det vil gi oss en forutsigbar finansiering av nye prosjekter. Det vil ikke alene finansiere nye prosjekter, men det vil være i tråd med det handlingsregelen omtalte da den ble opprettet, nemlig at mer av avkastningen skal gå til infrastruktur, til forskning og til næringsrettede skattelettelser. Vi vil opprette et investeringsselskap for vei. Det handler om å sørge for at vi med de midlene som vi bruker på vei, faktisk får gjennomført prosjektene bedre, billigere og raskere, at man samler ansvaret for planlegging, gjennomføring og finansiering på ett sted. Man tilfører egenkapital til selskap, gjør det mulig for dem å låne billig i markedet, men dermed gjør man dem også uavhengige av de årlige budsjettene. Det betyr at vi kan unngå det som vi har sett så langt, nemlig at man starter prosjekter, så dabber det litt av mot slutten av hvert år – med store kostnader, men tapte penger – og så man dem i januar. Man har fått oversikter som viser at bare på igangsatte veiprosjekter taper man milliarder av kroner med den måten å finansiere på. Bare der vil altså den nye regjeringens organisering kunne gi oss mye mer vei for de samme pengene. Så er jeg veldig glad for at Venstre forrige helg varslet at de også ønsker den type organisering på jernbanen. Vi imøteser at Stortinget diskuterer dette og gir klare signal til regjeringen. Dette handler om å se på måten vi løser oppgavene på, på, ikke bare diskutere hvor mye penger man har bevilget. Det å bevilge penger inn i et system som ikke virker, gir heller ikke resultater. Vi må gjøre begge deler. Regjeringserklæringen er veldig offensiv på kollektivtrafikk når det gjelder de lokale tiltakene, men også det som handler om de litt større områdene, f.eks. intercitytriangelet rundt Oslo. Vi ønsker å planlegge det helhetlig – ut til alle hjørnene – i stedet for at man slutter halvveis. Det er et kjempestort investeringsløft, og det vil måtte skje over tid, men her er det viktig at vi organiserer prosjektet sånn at vi får ned planleggingstiden og konsekvensutredningstiden, sånn at vi raskest mulig har gode løsninger for landets innbyggere. Det som er viktigst, og som jeg håper at Stortinget vil prioritere på kort sikt, er å styrke vedlikeholdet. Vi må få bedre veier, og vi må få bedre driftssikkerhet på jernbanen. Det er til glede både Når vi snakker med jernbaneselskapene, er det ikke nye jernbanestrekninger de er mest opptatt av, men det er å sikre at de som finnes, er forutsigbare i drift – at godset kommer fram når man forventer det. Denne regjeringen vil jobbe med struktur, vi vil jobbe med økte bevilgninger, og ikke minst vil vi jobbe med Stortinget for å få løsninger som gagner folk flest og norsk næringsliv. Og vi gleder oss til å ta fatt på den oppgaven. Det blir replikkordskifte.

Nå var det over 420 mrd. kr i forskjell mellom Høyres og Fremskrittspartiets forslag i vår. Vi vet at Fremskrittspartiet både ville fjerne bompengene og bruke handlingsregelen mer kreativt – i enkelte sammenhenger ønsket man å bryte den helt. Nå kjenner vi fasiten og rammene for regjeringen, og spørsmålet mitt til statsråden er: Hvordan vil regjeringen følge opp sine løfter overfor velgerne om en massiv veiutbygging og reduserte bompenger de neste årene? Hvordan skal dette finansieres? Takk for det. Det er velgerne som tar stilling til hvordan man setter sammen Stortinget. Det var altså 16 pst. av velgerne som ville ha et parti som skal kjempe imot bompenger. Det har vi gjort. I denne regjeringsplattformen sier vi at vi skal bygge mer vei enn det de rød-grønne la opp til, vi skal ha en mindre bompengeandel. Så her får man kombinert det beste av Høyre og det beste av Fremskrittspartiet i en god regjeringsplattform. Vi vil i de årlige budsjettbevilgningene komme tilbake til hvordan dette skal finansieres, men jeg er veldig stolt over den erklæringen vi har. Den sier tydelig at vi skal satse mer på dette, vi skal finne rom i budsjettene ved å organisere offentlig sektor på en bedre måte. Dette handler om å frigjøre midler, noe som gjør at man får mer vei igjen for pengene, og at man får mer jernbane igjen for pengene. Så er det riktig at Fremskrittspartiet ikke fikk gjennomslag for å fjerne bompengene helt. Men også der får vi til grep som ikke koster staten en krone – rett og slett ved å låne ut statens gode rykte – ved å stille statlige garantier når bompengeselskap låner penger. Bare der kan norske bilister og norsk næringsliv kan spare milliarder av unødvendige bompenger årlig ved at vi organiserer oss på en bedre måte. Det synes jeg er bra.

Men jeg inviterer veldig gjerne både Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, til å være med på å øke finansieringen av infrastruktur, hvis det er veldig viktig for Arbeiderpartiet – det høres jo sånn ut, når de er veldig opptatt av at vi skal få gjennomført mest mulig av Fremskrittspartiets forslag i Nasjonal transportplan, standpunkt. Men ja: I en regjeringserklæring gir man og tar man. Fremskrittspartiet har snudd retningen når det gjelder bompengetenkningen i Norge. Det er vi veldig glade for. Samtidig skal vi satse mer på vei gjennom Høyre–Fremskrittsparti-erklæringen. Det bør også bilistene og næringslivet være

Hvordan vil statsråden realisere disse ambisjonene som Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet står sammen om? Hvilke virkemidler vil være viktigst nå som arbeidet starter med å ta igjen etterslepet på fylkesveiene? Takk for lykkeønskningen. Fylkesveiene er veldig viktig – sammen med riksveinettet. Denne regjeringen har arvet et fylkesveinett som dessverre har et betydelig vedlikeholdsetterslep, vedlikeholdsetterslep, der det må gjøres store løft framover. Vi vil prøve allerede i budsjettet for 2014 å øke bevilgningene til vedlikehold, men det er begrenset hvor mye man får til med få dagers arbeidskapasitet. Men fra 2015-budsjettet vil vi kunne sette et tydeligere preg. Et av de viktige virkemidlene jeg vil prøve å løfte fram, er å videreføre rentekompensasjonsordningen, som gjør at fylkeskommunene selv kan være med på å finansiere dette i stor grad. Den har blitt forsøkt avviklet under de rød-grønne. Vi vil prøve å se på om den kan videreføres. Så er jeg veldig glad for at vi videreføres. Så er jeg veldig glad for at vi har et veldig godt samarbeid med både Kristelig Folkeparti og Venstre, for det sikrer flertall i dette stortinget for at vi kan gjøre disse løftene – i motsetning til forrige regjering, der noen av samarbeidspartnerne gikk til valg på at de ikke ville bygge mer vei. Så dette lover godt.

Kyststamvegen. Dei raud-grøne la fram ein svært klar ambisjon om å få til dette i løpet av tjue år. Eg ønskjer at statsråden skal seie klart frå kva ambisjonen til den mørkeblå regjeringa er, for det er svært interessant for alle dei som driv næring, og som bur langs denne strekninga. Eg vil òg gjerne høyre kva statsråden meiner med noko som er sitert frå Aftenbladet, at ein ikkje vil pøse pengar inn i eit dysfunksjonelt jernbaneverk. Eg kan ikkje seie noko meir enn at det er sitert statsråden. Det eg lurer på, er om statsråden meiner at Jernbaneverket er dysfunksjonelt. dysfunksjonelt. Takk for gratulasjonen. La meg bare ta det siste først: Der har jeg ikke blitt sitert slik som var hensikten. Jeg har også snakket med Jernbaneverket i dag og forklart at det som var poenget, var at det er viktig å bevilge penger til infrastrukturutbygging, men det er også viktig å sørge for at systemene er på plass. Det som var mitt poeng, var at det ikke er noen vits i å bevilge penger hvis systemene ikke fungerer. Jeg ser at jeg ble sitert litt annerledes enn det som var tenkt, så da har vi fått Jeg vil også berømme Senterpartiet for den kampen deres statsråd har ført tidligere i Samferdselsdepartementet. Det er ingen tvil om at Senterpartiet har vært en drivkraft for å få bevilget mer penger til vei og jernbane, og sannsynligvis ville de fått enda Det som vil være denne regjeringens arbeid, er å sørge for at vi får en bedre organisering. Jeg er veldig glad for at det ligger mange utredninger og rapporter fra embetsverket om hvordan man kan organisere norsk samferdselspolitikk bedre. Dessverre fikk ikke den rød-grønne regjeringen gjennomført noe av det, for de ønsket det ikke. Der tror jeg nok vi kan få Senterpartiets støtte når denne regjeringen legger det fram. E39 vil være ett av mange hovedsatsingsområder, og vi vil gjennomføre det minst i tråd med det som Nasjonal transportplan tilsa. Så der håper jeg vi kan overraske

Hvilket tidsperspektiv ser statsråden for seg når det gjelder dette? Vi er også opptatt av vedlikehold på jernbane. Jeg ble overrasket over hvor stort forfallet er. NHO-representant Erling Sæther sier på en konferanse som har vært i går og i dag på Gardermoen, at man trenger ca. 1 mrd. kr målrettet – altså øremerket kun for de strekningene hvor det særlig går gods, og for å få på plass Er dette noe vi kommer til å se noe til i det som statsråden vil fremme? Og hvordan har man tenkt å følge opp dette i de videre budsjettene? Takk for hyggelig hilsen. Jernbanesatsingen er veldig viktig. Det er fordi det å skape en helhet i infrastrukturen som gjør at vei, jernbane, luft og kjøl fungerer sammen, sånn at vi får kanalisert både persontrafikk og varestrøm på de mest egnede måtene, måtene, er viktig. Og i den grad vi klarer å øke godstransporten på jernbane, vil vi også kunne spare på vedlikehold på vei. Når det gjelder hvor fort vi får til dette, er min ambisjon at vi i løpet av 2014 skal kunne gjøre de nødvendige vedtak for å få et selskap på plass. Men jeg er veldig ydmyk for at det kan være kompliserende faktorer her, alt fra arbeidsavtaler i eksisterende selskap som kan bli berørt, til andre ting, som gjør at ting tar lengre tid, men det bør ikke ta mer enn et år. Dermed vil vi raskt kunne komme i gang med den organiseringen. Inntil det skjer er min ambisjon at vi både i tilleggsproposisjonen til 2013/2014-budsjettet, og også i arbeidet fram mot 2015, får en kraftig satsing på vedlikehold. Det er jo også meldingen fra aktørene, både når det gjelder gods, jernbane og vei, at vedlikehold er viktigere enn nye investeringer nå. Man må ha en god balanse.

den miljøvennlige kollektivsatsingen vi har fått til i løpet av de åtte årene vi har sittet i regjering, både belønningsordning for kollektivtrafikk og de historisk høye jernbaneinvesteringene, etter historisk lave jernbaneinvesteringer da vi overtok i 2005. Men skal vi nå målene i klimaforliket, er det helt åpenbart at samferdselsministeren har en kjempeviktig rolle. Derfor vil jeg spørre statsråden: Vil statsråden sette som et absolutt krav at alle infrastrukturprosjekter rundt de store byene skal bidra for å nå målet om at økningen i persontransporten skal tas med gang, kollektiv og

Så registrerer jeg at SV i denne sal allerede har fremmet forslag om å styrke klimaforliket. De er altså knapt kommet ut av regjeringen før de vil endre den politikken de selv har fått flertall for. Jeg tror man ser at det er litt urealistisk å endre ting så raskt når man ikke selv har lagt grunnlaget for at den endringen kan skje. Det som er viktig for denne regjeringen, er å sikre at vi får mer transport både av personer og av varer over på mest mulig miljøvennlige løsninger. Det betyr ikke nødvendigvis at en skal binde seg til en konkret løsning eller et konkret årstall, sånn som en har hatt litt for mye problemer med tidligere, med månelanding og lignende. Det er viktig å få de beste helhetlige løsningene. Så må man komme tilbake til hvordan det skjer. Jeg tar for øvrig opp forslaget som er omdelt i salen. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har tatt opp det forslaget han refererte til.

Likevel kan ikkje alle leva som dei ønskjer – anten det er ein far som veit at han må krangla seg til aksept hos sjefen når han skal vera heime med ungane sine, eller det er ein gut som har løyst alle matteoppgåvene og ikkje får utfordringar på sitt nivå på skulen, eller det er ei jente som ikkje tør å gå heim aleine etter fest fordi ho er redd for å verta sårbar for angrep. Det er menneske som dette som står i sentrum for Arbeidarpartiet sin politikk. Me vil ikkje forlata dei for å løysa problema sine heilt aleine, utvikla talentet sitt heilt aleine, eller få bukt med frykta si heilt aleine. Me treng individuell fridom, men òg felles pliktar. Eit samfunn med fridom til enkeltmenneska, men utan forventingar til nokon, er ikkje eit samfunn. Noko av det som held enkeltmenneske saman, er forventingar og tillit til kvarandre. For ingen er så sterk at ein aldri treng støtte, og ingen er så svak at ein aldri kan støtta andre. Det var John Stuart Mill som i si tid formulerte at med fridom kjem ansvar. Det inneber ansvar både for seg sjølv og for kvarandre. Det er òg utgangspunktet for vår justispolitikk: at gjerningspersonen ber ansvar, at han eller ho skal at ingen kan bruka fridomen sin til å krenke andre sin fridom. Det er ei rimelig forventing. Når forventinga likevel vert broten og nokon vert utsett for vald eller overgrep, treng me eit politi som etterforskar og avdekkjer, ei påtalemyndigheit som reiser sak og eit rettsvesen som søkjer rettferd. Derfor har me skjerpa straffene for vald, overgrep, familievald og hatkriminalitet. hatkriminalitet. Derfor har me styrkt ofra si stilling i straffesaker ved å innføra rett til gratis advokathjelp, rett til bistandsadvokat og rett til kontaktperson i politiet i ei rekkje saker. Men me vil aldri slutta å forventa noko, heller ikkje frå personar som har gjort seg skuldig i kriminalitet. Å kjempa mot kriminalitet er òg velferd. Me har ein tilbakeføringsgaranti som handlar om at domfelling og straff ikkje berre skal vera ein slutt, men at det òg skal vera ein start. Eit anna liv er mogleg, òg for dei som har brote lova. For kvar krone me bruker på tilbakeføring, sparer me 6 kr – men framfor alt sparer me liv. Eit moderne samfunn krev løysingar i takt med si tid. Me har menn og kvinner i uniform som utøver sitt arbeid med klokskap og mot, men me har òg i den mest grundige analysen av norsk politi nokosinne fått klare anbefalingar om å tenkja nytt både med omsyn til organisering, til sterkare fagmiljø og erfaringsutveksling mellom distrikta. Det skal me gjera saman med politiet, med fagmiljøa og lokalsamfunna. Politikk er pengar, politikk er prioriteringar, men politikk er òg verdiar. Me vil kjempa mot kriminalitet, og me vil kjempa mot årsakene bak kriminalitet. Det betyr at me vil forebyggja meir for å reparera mindre. Då prioriterer me både økonomisk og politisk, men me prioriterer òg nokre verdiar. Me prioriterer enkeltmenneskas fridom og tryggleik, me prioriterer sterkare fellesskap, me prioriterer eit nært og sterkt politi, sånn at folk har fridom til å ta dei vala dei vil og kan oppleva tryggleik til å leva det livet dei

Men dette er jo utmerket, for det viser jo at vi har mange verdier felles, og at vi ser nokså likt på de oppgavene som må løses. Det er mange områder dette stortinget skal samarbeide om. Så har noen sagt at regjeringsplattformen og tiltredelseserklæringen, som bygger på denne, enten har for lave ambisjoner, har utelatelser eller en

for at vi ikke skal bli ytterligere oljeavhengig, og for at vi ikke skal utdype skillet mellom oljedrevet industri og resten av norsk næringsliv. Meldingen fra den forrige regjeringen beskriver helt presist hvordan velferden ikke kan bygges ut videre gjennom flere vedtak om ytelser, men at oppgavene heretter består i å finansiere produktivitet, mindre sløsing og strammere prioriteringer. Perspektivmeldingen forbereder oss på omstillingen når petroleumsnæringen avtar i betydning. For videre lesning henvises særlig til omtalen på sidene 8–15. I kapittel 3 omtales at investeringer i et lands realkapital øker verdiskapingen, at et lands produksjonsevne er bestemt av hvor effektivt en nyttiggjør seg ressursene arbeid og kapital, og ikke minst omtalen av de middelmådige skoleresultatene, som etterlater avstand til de landene som oppnår best resultater. Jeg vil våge den påstanden at denne regjeringserklæringen inneholder flere svar enn noe annet dokument Stortinget har sett, på de problemstillinger som Stoltenberg-regjeringen riktignok reiste, men ikke hadde kraft til å gjøre noe med. Kanskje var det arbeidsfellesskapet med SV, som er mer opptatt av forbrukssiden ved velferdsstaten, og arbeidsfellesskapet med Senterpartiet, som er opptatt av at vi ikke skal gjøre ting på nye måter, som har preget regjeringen, slik at den ikke handlet der den burde vite bedre. I denne regjeringserklæringen som vi nå har fått på bordet, ser vi en sammenhengende satsing på alt fra skole, infrastruktur, veier, kollektivtransport i byene, mindre bruk av tid, enklere planprosesser, større tillit til lokaldemokratiet gjennom å gi større oppgaver til et folkevalgt nivå – troen på at andre enn staten kan bidra til å bygge velferden, ønsket og løftet om å opprette en produktivitetskommisjon, hvor man skal gå gjennom alle disse områdene mer systematisk. et tydeligere skille mellom kapitalsiden og driftssiden når det gjelder offentlige utgifter, og også gjennom å bedre forvaltningen av fellesskapets formuesverdier og synliggjøre vedlikeholdsetterslepet, som i det stille har fått akkumulere seg, selv om den foregående regjering meldte fra f.eks. i bygningsmeldingen at offentlige bygg hadde et akkumulert men uten å komme med et eneste operativt tiltak for å gjøre noe med det. Dette er store oppgaver som den nåværende regjeringen griper fatt i. Jeg nevner, for å avslutte, noe av menyen her: satse på næringsrettet innovasjon og forsterke forskningen, så det næringslivet vi har, utenom staten, kan gjøre en bedre jobb og være internasjonalt konkurransedyktige. Det er altså ingen mangel på ambisjoner i denne regjeringserklæringen.

av å høste av våre havområder. Fjellene gjemmer verdier som kan gi ny vekst. Reiselivet øker, folk fra hele verden vil se midnattssol, fjell, fjord og nordlys. Samtidig er det i nord vi ser konsekvensen av, og kan lære mye om, klimaendringene. Og lengst mot nord åpner det seg mot Arktis. Vi må ha som ambisjon å være helt i front i politikkutforming og internasjonalt initiativ, på samme måte som vi i de siste åtte årene har satt dagsorden. Da den nyutnevnte utenriksministeren Jonas Gahr Støre i litt yngre versjon i november 2005 sto midt i nord og på mange måter midt i verden på Universitetet i Tromsø, pekte han på kjernen i en vellykket nordområdepolitikk: «Det handler om å forankre et nytt perspektiv, for nordområdene selvfølgelig, men også for Norge og for hele det nordlige Europa.» Nå er det mentale bildet snudd. Før sto man i nord og så sørover. Nå er blikkene vendt nordover, og det er ingen grunn til å vende blikket bort igjen. Jeg har en sterk oppfordring til den nye regjeringa, og det er å holde fast på det store perspektivet – ikke la nordområdepolitikken bli rein distriktspolitikk. En nordområdepolitikk mister tyngde hvis den reduseres til en diskusjon om gårds- og bruksnummer. Nordområdesatsinga skal være ei nasjonal satsing. Det står mye godt om nordområdene i regjeringserklæringa. Likevel savner jeg omtalen av kunnskap, som er selve motoren i utviklinga, og ikke minst utdanningsinstitusjonenes strategiske rolle. Det må prioriteres midler til kunnskap. Kunnskapsmiljøene må bygges videre, men de kan ikke drive på hver for seg. Det må søkes et tettere samarbeid i nord, med resten av landet og med de internasjonalt ledende fagmiljøene. Jeg legger til grunn at det fortsatt skal støttes gjennom strategiske bevilgninger, at man fortsetter satsinga som det er gjort, gjennom nye byggesteiner i nord, gjennom Barents 2020, og at det videreføres på minst samme Når den nye regjeringa nå overtar ansvaret for nordområdene, kan vi si at det aldri har gått bedre i nord. Pilen peker i riktig retning. Jeg er ikke bekymret for at satsinga vil stoppe opp med en ny regjering. Vi har kommet for langt, og planene ligger klare innen sjømat, mineraler, reiseliv, energi, romfart, økt satsing på veier og havner og Forsvarets rolle. Man skal være svært uklok eller vrangvillig for å klare å snu den positive trenden. Det tror jeg ikke vil skje. Jeg tror imidlertid regjeringspartiene bør tenke gjennom de høye forventningene de nå møtes med, ikke minst fordi det er forventninger de selv har skapt. I Tromsø venter man på en rask løsning for bompengefri E8 og en massiv varslet Tromsøpakke. I Alta og på Helgeland følger man også med på bompengelovnadene. I Sør-Troms håper man at uttalelsene om Bjarkøy-forbindelsen før valget følges opp etter valget. På Senja har man merket seg de offensive lovnadene om vei- og fergeforbindelser. Det er knyttet forventninger til realisering av en kyststamvei i Troms og Finnmark, og ordførere, rådmenn og kommunestyrerepresentanter ser fram til klargjøring av at ingen kommuner skal tape på en omlegging av inntektssystemet. I tillegg er det langs kysten stor spenning knyttet til hva som skjer med leveringsforpliktelsene. De høye forventningene er et resultat av uttalelser før valget. Folk forventer at de innfris, og vi skal selvsagt følge med. Arbeiderpartiet ser fram til å utvikle de neste stegene i nordområdepolitikken sammen med folk i nord, med kunnskapsmiljøer, med bedrifter og med partier her på Stortinget. Vi er utålmodige, vi har store ambisjoner, og vi vil beholde nordområdene som vårt viktigste strategiske

og som vil gjøre noe med det stadig voksende byråkratiet. Vi har fått en regjering som vil skape en enklere hverdag for folk flest. Den nye regjeringen vil bl.a. forenkle plan- og bygningsloven, styrke eiendomsretten, redusere skattenivået for vanlige arbeidsfolk og oppheve særnorske forbud som dem mot Segway, proffboksing og poker. Den nye regjeringen vil satse mer på valgfrihet innen både skole og omsorg. Målt mot den forrige regjeringen er den nye regjeringen og Sundvolden-erklæringen så absolutt et riktig steg i rett retning. Jeg gleder meg til at jeg nå skal være en del av det politiske flertallet som skal stå til ansvar for den politikken som skal føres i dette landet. Er det et område som jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på, er det samferdsel. Det norske folk fortjener bedre løsninger innenfor dette viktige området, og med ny regjering legges nå grunnlaget for varige forandringer – forandringer som vil føre til at vi tenker langsiktig i stedet for kortsiktig, og at vi gjør ting enklere og mer effektivt. Regjeringen vil ta i bruk flere nye virkemidler. Det skal opprettes et investeringsfond der den årlige avkastningen vil bli øremerket til veibygging, jernbane og kollektivtrafikk. Den nye regjeringen skal utarbeide en nasjonal motorveiplan, og det skal opprettes et selskap som gjør det mulig med bedre planlegging og gjennomføring, sånn at vi kan prosjektere og bygge større strekninger i ett jafs, i stedet for stykkevis og delt. Usikkerhet fra år til år skal bli erstattet med stabil finansiering over tid. Regjeringserklæringen slår også fast at det skal bygges mer vei, og at bompengeandelen vil bli mindre enn det som stortingsflertallet vedtok allerede i NTP i sommer. Bare når det gjelder Ryfast, tunnelstrekningen som vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedet på Strandalandet og Nord-Jæren, vil nye og bedre lånebetingelser kunne spare bilistene for mye penger. En ny finansieringsmetode med statlige garantier med lån til veiprosjektene vil bety at flere milliarder kroner vil bli spart i veiprosjekter landet rundt i årene som kommer. Dette er penger som bilistene nå vil slippe å betale, fordi vi har fått en ny regjering som ønsker å få mest mulig ut av hver eneste krone, som vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, og som alltid vil arbeide for at bilistene skal betale minst mulig. Jeg vil benytte anledningen til å påpeke hvorfor det er så viktig for meg å få ned bompengeandelen. Folk flest tenker nemlig pendleravstand i tid og kroner, ikke i kilometer. Skal vi sørge for å få den positive effekten av de store veiprosjektene som planlegges her i landet, er det viktig at bilistene betaler minst mulig. Jeg vil gjerne vise til et eksempel, og det gjelder tunnelprosjektet Rennfast i Rogaland. Det ble bygd med bom i 1992 og knyttet dermed bo- og arbeidsmarkedet mellom Rennesøy og Nord-Jæren tettere sammen. Bompengeinnkrevingen sluttet i 2006, og den store veksten i både næringsliv og befolkning kom først i 2007, altså etter at bommen ble fjernet. Nå er det vekstkommune nummer én i landet, med en vekst på hele 24,4 pst. siden 2007. Lærdommen av dette er at skal vi oppnå høyest mulig gevinst av det potensialet store veiprosjekter gir oss, er det viktig å få kostnadene for den enkelte bilist så lave som mulig. Jeg er derfor stolt og glad over at vi nå får en regjering som skjønner nytteverdien av å redusere bompengeandelen på norske veiprosjekter, og så må man ta i bruk flere virkemidler for å få redusert både planleggingstid og byggekostnader. Jeg er stolt over at vi nå har en regjering som skal satse på samferdsel, som erkjenner at god infrastruktur er en av grunnpilarene i et samfunn, og som nå skal sette nye tanker ut i livet, jobbe på nye måter, jobbe smartere og jobbe mer langsiktig til det beste for folk flest. Jeg gleder meg over å ha fått en regjering som vil bygge landet.

også gjør oss robuste i framtiden hvis vi forvalter rikdommen riktig. Det har de parlamentariske lederne både for Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet alle i dag bekreftet. For det andre er det tydelig at ansvaret tynger. Tidligere var vi vant til at de samme partiene var en fargerik opposisjon. Nå er de blitt en grå, kanskje litt kjedelig posisjon, men det mangler ikke på ambisjoner. Den oppfatningen deler jeg med representanten Tetzschner, som sa at det ikke mangler på nasjonale ambisjoner. Men det globale perspektivet og de globale ambisjonene har vært totalt fraværende så langt i debatten. Jeg mener det er oppriktig grunnlag for å stille spørsmålet om vi er i ferd med å få en politikk – i hvert fall sånn som det så langt har fortonet seg spørsmålet om vi er i ferd med å få en politikk – i hvert fall sånn som det så langt har fortonet seg – der vi skal bli oss selv nok. Jeg mener det er grunn til å stille det spørsmålet. Da jeg hørte innleggene til både Høyre og Fremskrittspartiets parlamentariske ledere, hørte jeg ikke noe om vår tids største utfordringer. Jeg hørte ingenting om klima, og jeg hørte ingenting om fattigdomsproblemer i verden. Vi har tatt de utfordringene

som gjør at levestandarden økes og bedres. Med dette som bakteppe mener jeg det er grunn til å uttrykke uro over at disse temaene ikke fikk plass i noen av hovedinnleggene til Høyre og Fremskrittspartiet. Når vi retter blikket utover Norge, er noe av det viktigste vi kan gjøre – spesielt når det gjelder klimagassutslippene – å arbeide for en bindende global avtale. Arbeidet med en global avtale går sakte, og forhandlingene er kompliserte. Norge bidrar på flere måter i forhandlingene, og noe av det beste i norsk klimapolitikk er satsingen på regnskog i klima- og skoginitiativet. Jeg er spent på om de blå-blå vil gjennomføre de kuttene de tidligere har sagt at de vil gjennomføre i regnskogsatsingen. Det gjenstår å se hva budsjettet innebærer. Hvis kutt gjennomføres, vil det i så fall være et kraftfullt negativt signal. Det andre er forholdet til en pris på CO2, som vil være det mest effektive virkemidlet for å redusere utslipp. Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved Kyoto 2-avtalen. Den er viktig. Den har svakheter, men det er likevel viktig å videreføre avtalen. Den ligger til behandling i Stortinget nå, og hva vil Fremskrittspartiets stortingsgruppe gjøre denne gangen – i regjering – når det gjelder Kyoto 2-avtalen? Jeg stiller spørsmålet, men det er et ganske vesentlig Jeg har registrert at de borgerlige partiene har vært ambisiøse på vegne av klimaet i valgkampen. Resultatet så langt er at det er lite igjen av de store ordene når vi leser regjeringserklæringen og hører innleggene her i salen. Regjeringen vil måles på det de løftet fram i valgkampen. Så langt har vi sett lite. Men jeg håper at ambisjonene i det videre arbeidet, og at politikken ikke føres inn på et spor hvor vi er oss selv nok. Jeg håper derfor at regjeringen i budsjettet viser at den tar disse forholdene på alvor, og at Stortinget snarest mulig kan få en ny klimamelding og invitasjon til et nytt klimaforlik.

I utenrikspolitikken betyr dette at internasjonal solidaritet skal danne grunnlaget for vårt internasjonale engasjement. Verden skal vite hvor Norge står. Norge skal spille en ledende rolle for verdens svakerestilte, og vi skal aldri miste av syne menneskers rett til å utvikle seg, uttale seg og skaffe seg utdanning og et livsgrunnlag gjennom arbeid. Utgangspunktet for regjeringens utviklingspolitikk er å heve innsatsen i arbeidet med menneskerettigheter, økt demokratisering gjennom utvikling av sivilsamfunn og godt styresett samt mulighet for at flere skal få rett til utdanning og arbeid. Dette er kjerneområdet for denne regjeringens bistands- og utviklingspolitikk. Humanitær bistand og fattigdomsbekjempelse er områder denne regjeringen vil prioritere høyt. Det er fortsatt slik at kriser og katastrofer rammer land med utspring i både politiske og klimatiske årsaker. Vi ser det i Syria, og vi har sett det på Afrikas Horn. Vår nye regjering står parat og er sammen med frivillig sektor, bistandsaktører og internasjonale samarbeidskanaler klar til å yte den innsatsen som kreves for verdens fattige, syke og vanskeligstilte. Regjeringen legger opp til å ta en global lederrolle i dette arbeidet som særlig gjelder utdanning for alle. Især er det oppløftende at regjeringen går så sterkt på banen for å løfte jenters rett til utdanning. Utviklingspolitikken til den nye regjeringen er i sum preget av at den tar mennesker på alvor. Vi vil lytte til mottakere av norsk støtte, til partnere i utviklingsland og i mellominntektsland og til aktører i forskningsmiljøer internasjonalt og her hjemme. På den måten skal vi være bedre rustet til å innrette norsk utvikling og bistand. Bistand er kritisk, men må følges opp av andre virkemidler. Derfor er jeg glad for å se at regjeringsplattformen gir nettopp dette – nye virkemidler og målsettinger for investeringer og næringsutvikling. Dette er en global trend som flere land har kommet langt i arbeidet med, og som Norge også vil ta en lederrolle i. Privat sektors betydning for utvikling er ofte underkommunisert. Skal vi nå målene vi alle er enige om, nemlig å få mennesker og samfunn varig ut av fattigdom, må vi satse på utdanning og arbeid. Derfor legger regjeringen opp til at det skal legges til rette for mer næringsutvikling og investeringer, med det mål for øye å skape økonomisk vekst i samarbeidsland gjennom et moderne og diversifisert virkemiddelapparat der myndigheter og private aktører i samarbeidslandene får en rolle å spille. Vi ser ikke på handel som et substitutt for bistand, men økt handel vil være å ta globalt ansvar. Å nå målene om økt handel med klare retningslinjer vil være med på å hjelpe samfunn ut av varig fattigdom. Regjeringen vil prioritere kapasitetsbygging, kompetanseoverføring og teknisk bistand til samarbeidsland for å sette landene i stand til å forvalte egne ressurser. På denne måten kan vi sette norske aktører i kontakt med internasjonale partnere og sørge for at også de – ikke bare norske myndigheter – tar et sosialt og solidarisk ansvar. Vi har fått en ny utenriksminister som setter dette høyt på agendaen. Ja, så høyt står utviklingspolitikken at dette er en del og vi vil se en klarere sammenheng mellom bistands- og utviklingspolitikken og resten av utenrikspolitikken. Det er en tøff jobb, og en jobb jeg vet han setter alt inn på å klare. Vi ser fram til utenriksministerens ambisjoner når det gjelder resultatoppnåelse i bistanden. Dette er ikke gjort over natten, det krever en samlet jobb av departement, ambassader, utestasjoner og andre.

Fra 2005 til 2012 økte antall utredninger og behandlinger ved norske sykehus med om lag 1,6 millioner. Stadig flere pasienter med f.eks. kreft og hjerteinfarkt overlever i større grad nå enn før. Men selv om mye er bra, kan mye bli bedre. Tider endrer seg, nye sykdommer gjør inntog, og ny teknologi blir utviklet. Dette stiller tøffe krav.

Det er gledelig. Vi ser fram til at den åtte år lange arbeidsøkten som regjeringen har hatt, og dens forslag til neste års statsbudsjett, skal resultere i at denne satsingen også blir videreført når det faktisk gjelder, sånn at bl.a. det nye psykiatribygget i Trondheim endelig kan bygges. Videre tar den nye regjeringserklæringen til orde for å ta i bruk alle gode krefter innenfor helsevesenet. Men det å slippe alle gode krefter til er ikke det samme som ukritisk å slippe løs store multinasjonale kommersielle selskaper på det norske helsevesenet. For Arbeiderpartiet betyr et godt helsevesen at det offentlige skal ha ansvaret for den overordnede styringen og En fri etableringsrett for kommersielle aktører, slik den nye regjeringen legger opp til gjennom sitt forslag om fritt behandlingsvalg, vil føre til økt byråkratisering, kontrollering og sløsing med offentlige midler som bør – og ikke minst må – gå til flere og bedre behandlinger, forskning og nye bygg. I en tid da Sykehus-Norge er i positiv utvikling, vil det virke mot sin hensikt å sette ideologi foran fagmiljøer, pasientbehandlinger og god ressursutnyttelse. Helsevesenet vil alltid være viktig for alle, ikke bare de få. Det handler om tillit, og det står om selve livet, intet mindre. Derfor må det også gjøres best

Livet i min familie er ikke lik naboenes, venners eller til dem i trillegruppen. Hver familie har sin egenart, sine medlemmer, sin historie. Det å lage gode løsninger for familien er ikke enkelt. Derfor er det greit i størst mulig grad å overlate det til dem som har best kunnskap om akkurat sin hverdag, nemlig familiens medlemmer. Høyre vil at foreldre skal kunne kombinere et yrkesliv med det å være til stede for barna, samtidig som det må være rom for å velge annerledes. De siste åtte årene har kontantstøtten for toåringer blitt fjernet. Foreldrepermisjonen har fått et kvotesystem – med mødrekvote og fedrekvote – som foreldrene ikke kan bestemme over selv. Foreldre som ikke har blir fratatt permisjonstid. Hva er dette? Er det virkelig god familiepolitikk å straffe de barna som ikke har foreldre som passer inn i malen? Samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen slår fast at det nå skal bli enklere. Vi beholder fedrekvoten på ti uker, men vi gir familier som trenger det, Vi vil åpne for en tillitsbasert unntaksordning. Smak på ordet: Tillitsbasert. Dette er et ord som vi har hørt altfor sjelden de siste åtte årene. Ikke alle barn er klar for barnehage når de er ett år. Jeg har selv et eksempel i nær familie. Alle er enige om at barnet ikke skal gå i barnehagen på fulltid, men ingen er enige om hvordan familien skal få det til å gå rundt økonomisk. For dem og mange andre – vil det å gjeninnføre kontantstøtte for toåringer være en liten hjelp for å få endene til å møtes. Den nye regjeringen vil vise familien tillit og gi dem valgfrihet til å skape det gode familielivet.

Men hva ligger egentlig i disse verdiambisjonene? Jo, nettopp at individet er i sentrum, og at fokuset konstant er rettet mot enkeltmennesket. Ulikheter ønskes velkommen. Valgfrihet dyrkes. Ingen skal kunne bruke ideologi, kultur, tradisjon eller religion som middel for å stille seg til doms over andre. Regjeringens verdigrunnlag garanterer for individets frihet, og rettsreglene er samfunnets kollektive forsikring, for et verdibrudd vil bli rammet av vårt lovverk. Gjennomgangstonen i regjeringens plattform er bærekraft. Bærekraftig velferdspolitikk – det skal lønne seg å jobbe. Det vil bli innført aktivitetskrav i velferdspolitikken, og det vil bli lettere å gå fra trygd til arbeid. Det skal stimuleres til verdiskaping og innovasjon gjennom skattelette på kapital. Det skal stimuleres til arbeid gjennom skattelette på arbeidsinnsats. Det skal stimuleres til kunnskap, som er selve grunnlaget for fremtidig verdiskaping og sosial mobilitet. Menneskets konkurranseinstinkt skal stimuleres – ikke undertrykkes. Skaperevne, skaperkraft, entreprenørskap skal belønnes – ikke straffes og kritiseres. Det skal lanseres en bærekraftig innvandringspolitikk, hvor tempoet i de demografiske endringene reduseres. Dette vil sikre verdimessig og kulturell integrering, hvor flere innvandrere blir selvhjulpne og bidragsytere i samfunnet og en ressurs i nærmiljøet. Ambisjonene er store. Nå må vi levere.

om klimaendringene, som også påvirker de fattigste hardest. Jeg snakket om en spennende periode og hadde forventninger til å få et stort gjennomslag. Jeg var kanskje litt naiv – iallfall med hensyn til det siste – for når det skal oppsummeres, så har det vært en spennende periode, men jeg opplevde en lite samarbeidsvillig regjering. Derfor er jeg glad for å stå her i dag med en samarbeidsavtale. Jeg skulle gjerne hatt andre farger på regjeringa, men der vi har fått en samarbeidsavtale med tydelige KrF-gjennomslag, der vi har fått vernet Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har fått presisert at det ikke skal drives oljevirksomhet nord for iskanten, at Jan Mayen skal vernes, Skagerrak, Mørebankene osv. Vi har løftet fram familiepolitikken, det er samvittighetsfrihet osv. Og ikke minst er det nå en regjering som har en statsminister som snakker om tillit til enkeltmennesket, tillit til familiene, og som ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Derfor er jeg også ekstra glad for å gå inn i en periode og vite at Stortinget faktisk skal være det stedet der politikk utarbeides og politikk skapes. Og derfor tror jeg heller ikke det er tilfeldig at det er så mange som i dag har sitert «all makt i denne sal». Som sørlandsrepresentant, og som representant for Aust-Agder, har jeg ambisjoner og forventninger om at landsdelen min også skal oppnå mer.

mer handel, at bistanden skal vris mer effektivt – at det satses på helse, på utdanning og bruk av frivillige organisasjoner. Denne politikken har vi store ambisjoner om å få gjennomført, og derfor er vi spent på de neste fire

Vi har ei ny regjering no, og vi er alle saman ivrige etter å sjå kva som skjer, kva for område det blir brukt pengar på, kva det blir satsa på, og eg har håp om at politiet og justisfeltet elles skal vere eitt av dei. Men det er ikkje nok berre «å satse på» – spørsmålet er òg korleis ein gjer det, kva ein legg i det ein skal gjere. Formuleringa i regjeringserklæringa er at «det nye nærpolitiet», som det blir kalla, skal vere «operativt, synlig og tilgjengelig». Men dessverre er det slik at det gjerne handlar om vakt- og patruljeteneste som fer rundt og er synlege på det viset, at det er det det er snakk om. Dessverre er det ofte dette det kokar ned til når vi begynner å spørje kva det betyr at politiet skal vere synleg og tilgjengeleg Eg skulle ein gong i ein debatt på «Her og Nå», og då skulle eg ta det på telefon heimafrå. Guten min på elleve år spurde kva eg skulle snakke om, og eg fortalde at det var om nærpolitiet. Så seier han: Mamma, når eg høyrer ordet «nærpoliti», så tenkjer eg på han Per Politi. Då var det ein nabo han tenkte på. Han faktisk. Eigentleg er det akkurat dette det handlar om. Det handlar om at barn og ungdom som veks opp, ser for seg nokre ansikt når dei tenkjer på politiet, og at politiet kjenner dei. Det handlar om at politiet må vere spreidd ut over heile landet. Det eg er redd for no, er at det skal bli ei massiv samanslåing av politidistrikt og lensmannskontor, som gjer at politiet ikkje blir landet. Eg nemnde at det er dyrt, men det er ei god forsikring, og det skal vi ta oss råd til. Alle skal kunne vere trygge. Albert Einstein sa at det ikkje er alt som tel som kan teljast, og det er heller ikkje alt som kan teljast som tel. Når det gjeld den førebyggjande delen og det som politiet driv med, er kanskje akkurat dette eit godt sitat å ta med seg. Førebygging er det lett ikkje å sjå verdien av viss ein skal begynne å sjå på rubrikkar og tal, men det handlar i høgste grad om at politiet, som det her er snakk om, skal vere nær andre aktørar som arbeider med barn: barnevernet, skolen, helsevesenet osv., for nettopp å kunne førebyggje. Det krev eit lokalt politi, og det krev politi i heile landet. Det eg håpar at den nye regjeringa skal gjere,

I den siste perspektivmeldinga går det fram at framtida til velferdsstaten vår er utrygg, i beste fall. I 2012 var vi 4,5 personar i yrkesaktiv alder per pensjonist i dette landet. Men allereie i 2060 vil talet vere nede i 2,5. Då seier det seg sjølv at vi er avhengig av at fleire enn i dag får ein fot innafor

Venstre vil liberalisere reglane for gjennomsnittsberekning av arbeidstid, slik at ein kan jobbe meir i kortare periodar og mindre i andre periodar. Vi vil likestille reglane for staten og dei private når det kjem til mellombelse tilsettingar, slik at det blir enklare å få ein fot innafor arbeidsmarknaden. Vi vil leggje betre til rette for alternative turnusordningar, der det er einigheit om det lokalt.

og for å sikre ein berekraftig velferdsstat der det alltid løner seg å jobbe. Vi håpar at den nye regjeringa vil spele på lag med oss i dette arbeidet Noe av det flotteste jeg vet om i det norske samfunnet, er den offentlige fellesskolen. Det er vår fellesskole, som gir alle like muligheter. Det er en skole som bidro til at Camilla ble frisør, at Mani ble lege, og at jeg ble lærer. Det er en skole der man blir utfordret av et fellesskap for å ta fatt på sin egen vei. Det er en skole som har forandret seg mye siden jeg gikk der ikke fordi den ikke gjorde jobben sin, men fordi den er tatt inn i en ny tid, med nye elever, nye læringsmål og nye utfordringer. Det har skjedd mye de siste årene. Det har bl.a. blitt flere timer i norsk, matte og engelsk. Vi har innført leksehjelp. Vi har utviklet en mer spesialisert lærerutdanning, og vi har gjennomført en storstilt oppussing av skolebygg.

Vi har med andre ord en skole som leverer, med dyktige ansatte og elever. Men skolen kan og skal bli enda bedre. Arbeiderpartiet vil fortsette på den veien vi har begynt, framfor å drive med eksperimenter. Vi vil doble antallet lærere som får ta mer utdanning. Vi vil fortsette å løfte elevene ved å gjennomføre et matteløft for å bedre realfagskompetansen, ha et lese-, skrive- og regneløft for å sikre at alle lærer seg de grunnleggende ferdighetene tidlig. Vi vil gi elever og lærere gode arbeidsforhold ved å pusse opp flere skolebygg. Alt dette skal vi gjøre i den offentlige fellesskolen. La oss gjennomføre det vi er enige om – det vi vet virker. Skolen er for viktig til noe annet. La oss bruke all energi, absolutt all energi, framfor å plukke den fra hverandre bit for bit, med rangering og privatisering. Plutselig er det for sent å snu. Arbeiderpartiet har høye ambisjoner på vegne av alle. Vårt mål er at flere enn i dag skal kunne se seg tilbake etter 13 års skolegang og tenke at nettopp det får dem til å se lyst på framtiden. Lederen av Utdanningsforbundet sa det bra for et par dager siden: ikke en konkurranseskole. La det være en av de aller viktigste beskjedene til den nye

som er et viktig område for den nye regjeringen. Det er viktig for regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, å respektere at familier er forskjellige og dermed har ulike behov. Derfor vil jeg presisere at familien må sikres fleksibilitet og frihet til å velge løsninger selv som passer den enkelte familie. Vi må i mindre grad forsøke å bedrive politisk styring over familier. Da er det viktig med et større mangfold av løsninger for barnefamiliene, fordi samfunnet har endret seg mye, og familier har som følge av det ulike behov og ulike måter å organisere sine liv på. Det er ikke alle barn som får den beskyttelsen og omsorgen som de skal ha. Regjeringen vil bidra til å etablere tettere samarbeid mellom barnevernet, helsestasjoner, barnehager, skoler, politiet og Nav for å unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater. Barn De er det mest dyrebare vi har. Vi har ingen å miste. Det skal ikke være tvil om at det er barns beste som skal ligge til grunn for barnevernstiltakene. Her vil det være avgjørende at det kommunale barnevernet, som først møter barna, evner å fange opp og hjelpe barn som trenger profesjonell hjelp. For å styrke barns rettssikkerhet vil regjeringen innføre en lavterskel klageordning for barn under barnevernets omsorg. Regjeringen vil også sikre at alle kommuner skal være tilknyttet en vaktordning for barn i krise. Fordi denne regjeringen er opptatt av at det enkelte barnet skal sikres trygghet og frihet til å kunne leve gode liv, må det bety handlekraft. Regjeringen vil derfor gjennomføre en kommunereform som setter enkeltmennesket foran systemet, slik at kommunene skal kunne levere gode, helhetlige og kvalitative tjenester. Regjeringen vil også bidra til et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien. Det har dessverre vært en markant økning av barn og ungdom som sliter med psykiske lidelser, samtidig som gode tiltak har blitt nedlagt. Ofte har disse ungdommene som sliter med psykiske lidelser, også utviklet rusavhengighet. Det vil da være viktig å sørge for at flere får behandling for sine lidelser, for slik å kunne delta på lik linje med andre i vårt samfunn. Jeg ser fram til gode debatter i denne sal framover. Jeg håper et bredt politisk flertall vil samle seg om å legge til rette for gode og trygge kår for de mest sårbare i vårt samfunn, nemlig barna som ikke har vært så heldige å ha hatt dette som utgangspunkt i sine liv. Etter snart 40 år i arbeidslivet og seks perioder i aktiv kommune- og regionalpolitikk, er det gode og trygge kår for de mest sårbare i vårt samfunn, nemlig barna som ikke har vært så heldige å ha hatt dette som utgangspunkt i sine liv. Etter snart 40 år i arbeidslivet og seks perioder i aktiv kommune- og regionalpolitikk, er det ærefullt og inspirerende å bli valgt til talsmann på Stortinget. At det skjer i et jubileumsår for allmenn stemmerett for kvinner og menn og ved inngangen til et

Mange er nå spent på de prosesser som må settes i gang for å kunne endre kommunegrenser, tjenestefordeling og ansvarsområder på en fornuftig måte, som folk forstår og kan godta. Rett tempo er nå veldig viktig. Kristelig Folkeparti vil bidra til endringer der det framkommer åpenbare fordeler. Nå er det viktig å få til en tverrpolitisk prosess der vi oppfordrer og lytter til forslag fra folk og kommuner som selv ønsker å komme med konstruktive forslag. Vi må få til en bred prosess med klare mål. Nye tider krever framsynte løsninger, og det er historisk å starte dette i et jubileumsår. Fra korsfylket Rogaland kjenner vi historien om Harald Hårfagre og slaget ved Hafrsfjord. Nasjonsbyggingen gikk trått i hundreder av år, men så kom kirken med sin undervisning og etablering av folkeskole og leseferdigheter. Vi fikk i 1814 grunnlov. Så kom egen mynt, lov mot adel og deretter radikale formannskapslover. Folket fikk gradvis mer og mer makt i herred og amt, der futer og embetsverk, adel og danskevelde hadde tronet før. Vi fikk etablering av skoleverk og folkehøgskoler som bidro til allmenn folkeopplysning. Når vi så til slutt fikk suverenitet og full stortingsmakt i 1880 og 1905, var en ny demokratisk rettsstat opprettet i Europa – et fritt Norge. Dette er vår historie. Det er et fellesskap vi skal forvalte og foredle. Jeg mener nå – mot 2014 – at det er avgjørende å få til en god medbestemmelse og regionalt selvstyre, og jeg ser fram til å ta fatt på det. Men jeg meldte meg ikke inn i politikken og Kristelig Folkeparti for 40 år siden for denne saken. Min drivkraft bygger på en overbevisning om at kristendemokratisk ideologi er beste vei for å utvikle Norge. Vårt nasjonale kompass og basis for velferdsstaten må etter min mening fortsatt være nestekjærlighet, forvalteransvar og et kristent menneskesyn. Da kan framtidige generasjoner jubilere på et trygt grunnlag.

å gå tilbake til fellesskapet. Regjeringen foreslår å gjøre disse kvotene evigvarende, altså å gi noen fiskere evig rett til å eie en naturressurs ved et juridisk dokument. Deltakerloven foreslås også oppmyket. Vi som er fra fiskermiljøet, vet at dette betyr at andre enn fiskere i større grad kan Fiskekvoter og -rettigheter vil havne på børsen som en handelsvare, ikke som en ressurs som gir bosetting og arbeid langs kysten og store verdier i eksportinntekter til landet. Regjeringen vil også åpne for strukturering av kystsjarker – fartøy under elleve meter – og innføre fri fangst av kongekrabbe utenfor kommersielt område. Dette har jo vært etablert i flere år allerede. Regjeringen vil også åpne for at disse kan drive samfiske, som også har vært etablert i flere år. Ja, det er klart vi undres når vi ser disse forslagene. Jeg siterer videre fra regjeringsplattformen: «Endringer skal være forutsigbare og bidra til å styrke Norges stilling som sjømatnasjon.» Dette er ikke forutsigbarhet for meg eller for fiskere med slo på støvlene, men det er forutsigbarhet for investorer langt fra fiskebåten. Det forteller meg heller om en regjering som har vært både kraftig

mange av de forslagene som ligger i regjeringsplattformen, og de signalene som kommer i Stortinget, er noe som mange av oss er glade for. Og som vi sa i kriminalomsorgen – i hvert fall i min tid: Det er viktig at vi gir folk en sjanse – uten sammenligning for øvrig. Jeg syns man skal ha respekt for at folk skal få lov til å sette seg ned før man blir kjørt kraftig til veggs. Det betyr ikke at det ikke er knyttet stor spenning til mange av de sakene som mange av oss er veldig opptatt av. Jeg kunne snakket lenge om justispolitikken – jeg ser justisministeren er til stede i salen – jeg skal ikke gjøre det. Men jeg har lyst til å ta tak i noe av det som virkelig ligger under når de fleste av oss gir kraftig uttrykk for at vi er glad i dette landet. Det er et Norge vi er glad i, først og fremst fordi det bor folk stort sett overalt, og vi har også noe å leve av overalt. I så måte har primærnæringene våre – fisk, rein, landbruk, skog – en veldig sentral plass med hensyn til hvordan folk har det, hva slags velferdssamfunn vi har, og at vi har klart å bygge opp et samfunn som ikke bare snakker om urbanisering. Derfor gleder det meg på mange måter at vi har en regjering som også i regjeringsplattformen snakker om forutsigbarhet i landbrukspolitikken og for primærnæringene. Det avgjørende er selvfølgelig hva som ligger i denne forutsigbarheten, og jeg mener at det ut fra de siste dagers debatt kreves et raskt svar på vesentlige forhold når det gjelder landbrukspolitikken. Når man nå markerer veldig tydelig at man ønsker å liberalisere regelverket knyttet til landbruk og skog, er det for forutsigbarhetens del nødvendig at regjeringa nokså raskt avklarer om man forlater den satsingen og den målsettingen vi har om at man skal ha et landbruk over hele landet. Når man i disse dager og i regjeringsplattformen snakker om at man ønsker å forenkle jordbruksavtalen, betyr det at man forlater målet om inntektsøkning for de aktørene som livnærer seg nettopp av landbruket? Betyr det at det vil komme betydelige kutt bl.a. i de overføringene som hvert år kommer norske bønder til gode? Jeg tror det er viktig med en slik avklaring for nettopp å få den forutsigbarheten som framtidige generasjoner, yngre generasjoner, nå venter på: Skal man gå inn i en særs viktig næring for Norge? På dette området er det jo litt sånn som representanten Tynning Bjørnø sa i sitt innlegg vedrørende skole, at mye av det man gjør på dette politikkområdet, kan bety at man setter i verk tiltak som ikke er reverserbare. Derfor fortjener dette

Store ressurser går til spille når vi gjør politikk til kamp mellom offentlig, frivillig og privat sektor. For alle har mye å bidra med. Det er dette som er «alle gode krefter». Hvis vi klarer å ta dem i bruk, oppnår vi større engasjement, og vi skaper store ting sammen, selv om vi er et lite land. På samme måte som i næringslivet er det også i kulturlivet viktig at vi i større grad bruker ressursene våre til å bygge for Vi må bedre enn i dag gripe den enestående muligheten vi har til å skape varige verdier for kommende generasjoner. Tilliten Høyre har til enkeltmennesket, friheten vi ønsker å gi til å styre eget liv uten innblanding fra politikere og byråkrater, uten særnorske forbud og påbud, men gjennom å forenkle lover og regler – alt dette bygger opp under den frihetsreformen som Høyre ønsker for kulturen i Norge. Kulturløftet er langt fra ferdig løftet. Det har vært en god vekst i kulturbudsjettene, men mager økning av publikum. I stedet for mer kunst og kultur, har vi flere steder gått til flere ansatte bak scenen istedenfor på scenen. Nesten all kulturbruk har gått ned fra 2008 til 2012, til tross for rekordøkning i budsjettene. Stadig færre går på teater og kunstutstillinger. Det kan se ut som om byråkratiseringen dessverre også har slått inn med full tyngde i kultursektoren. Velgerne har bedt om nye løsninger på utfordringene vi står overfor. Derfor skal Høyre arbeide for maktspredning. Vi skal gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og god kvalitet. Vi skal også se på en bredere finansiering av kulturlivet. Vi må i større grad tenke på kultur som næring. Vi må styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere må forenkles. Vi må legge til rette for at unge talenter får muligheter, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, bl.a. gjennom samarbeid med frivillige aktører. Privat finansiering av kulturlivet må styrkes, noe som etter hvert vil kunne redusere avhengigheten av offentlig finansiering og også gi en frihet fra politiske føringer. Kulturen må i større grad slippes fri.

Resultatet er at vi lever lenger, og at flere har fått økt livskvalitet. Selv om vi har oppnådd mye, er vi opptatt av å løse oppgavene bedre og å søke ny kunnskap. Vi konstaterer at mye av det som lanseres i tiltredelseserklæringen som nye tiltak, allerede er satt i gang av den rød-grønne regjeringen. I valgkampen var Høyre raskt ute med å overby vårt forslag om tolv nye milliarder til sykehusene over de kommende fire årene. Det er vi svært glad for. Men det er også gitt tydelige løfter om fritt behandlingsvalg, som innebærer å åpne låvedøren på vidt gap for private aktører med sugerør rett inn i felleskassen. Men det er fortsatt uklart hvordan dette skal finansieres. En annen fanesak i valgkampen var å fjerne de regionale helseforetakene. Men lite er sagt om alternativene. Vi frykter at heller ikke dette er så veldig grundig utredet. Men som representanter fra Vestlandet husker vi godt hvor lang tid det tok å rette opp den regionale skjevfordelingen, og vi vil ikke akseptere at det skjer på nytt. Vi er åpne for å drøfte forbedringer, men tror ikke at økt sentralisering og byråkratisering er løsningen. Det er bl.a. det regionale selvstyret som har gjort at Haukeland universitetssykehus har klart å utvikle seg til å bli ledende innen kreftbehandling. Vi forventer at den blå-blå regjeringen følger opp de rød-grønnes løfte om å investere i et nytt partikkelterapisenter i Bergen. Arbeiderpartiet støtter regjeringens ønske om å prioritere rusomsorg og psykiatri. Men det er helt avgjørende at det satses på kvalitet og ikke bare kvantitet. Det viser seg at i Hordaland sto private klinikker for 90 pst. av behandlingskapasiteten fram til 2009. Det offentlige hadde dermed ikke oversikt over pasientene, kunnskap om kvaliteten, hva som til 2009. Det offentlige hadde dermed ikke oversikt over pasientene, kunnskap om kvaliteten, hva som hadde effekt og mulighet til å prioritere de pasientene som trengte det mest. I dag har Helse-Bergen etablert en rusmedisinsk avdeling med ett felles mottak og bygd ut døgn- og dagtilbudet. Per i dag har de ingen fristbrudd og ventelistene går ned. For Arbeiderpartiet er det folks behov for helsehjelp som er styrende for vår helsepolitikk og ikke den enkeltes økonomi eller posisjon. Vi er ikke prinsipielt imot private aktører, men helse er så komplekst, med så mange særinteresser, at det er behov for sterk politisk styring og offentlig kontroll for å sikre gjennomføringskraft og rettferdig fordeling av

I løpet av åtte år i opposisjon har vi fått høre at det aldri er blitt brukt mer penger enn med de rød-grønne. For den nye regjeringen vil det sentrale være å se på hvordan pengene brukes. For å skape trygghet i hverdagen vil regjeringen styrke beredskapen. Vi vil øke konkurransekraften for norske arbeidsplasser, og det skal satses mer på kunnskap, infrastruktur og

Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det, skal med en Høyre- og Fremskrittsparti-regjering være en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Et av regjeringens viktigste hovedbudskap er et velferdsløft for eldre og syke. For å styrke pasientens rettigheter og tilbudet innen rus og psykisk helse vil regjeringen igangsette en opptrappingsplan for rus. For raskere behandling skal pasientene kunne velge mellom ledig kapasitet hos offentlige, private og ideelle aktører. Det skal også etableres en lenge etterlengtet opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet. Nedbyggingen av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten må stoppes før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygd opp i kommunene. For den nye regjeringen er det også et klart mål å legge ned de regionale helseforetakene så snart det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Det er et stort behov for å styrke og modernisere helse- og omsorgstjenestene også i kommunene. Samhandlingsreformen er krevende for mange kommuner. At regjeringen vil reversere kommunal medfinansiering i sykehusene, er derfor en god start for å bedre situasjonen. For å lykkes med reformen må kommunene sikres god kompetanseoverføring, robuste fagmiljøer og tilstrekkelig kapasitet på flere områder. Som medlem av helse- og omsorgskomiteen ser jeg fram til å ta fatt på den viktige oppgaven med å bedre samordningen av det totale helsetilbudet i landet.

Mitt fylke, Møre og Romsdal, har alene et vedlikeholdsetterslep beregnet til 5,6 mrd. kr. I tillegg ligger det store utfordringer i manglende fergekapasitet mange steder langs kysten. Betydelig trafikkøkning kombinert med driftsavbrudd og dårlig reservemateriell gjør det nødvendig å ha større fokus på de ekstrakostnader og ulemper dette har både for næringstrafikken og den generelle trafikken. På Halsa-Kanestraum, den nordligste fergestrekningen på E39, er situasjonen meget vanskelig. Landet har et betydelig nærings- og utviklingspotensial som ikke er forløst, fordi det hemmes av for svak satsing på samferdsel og transport. Det vil jeg og Venstre bruke vår posisjon på Stortinget de kommende årene til å gjøre noe med. Kompetanse i form av forskning, utdanning og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

Dette er påkrevd for at nye generasjoner skal bli flinkere enn vi er til å starte og utvikle egen virksomhet, og står helt sentralt i Venstres næringspolitikk. I Møre og Romsdal har vi tre høyskoler – Molde, Volda, Ålesund – som hver for seg gjør en god jobb, men fylket trenger en sterkere kraft. I tråd med et enstemmig vedtak i fylkestinget ønsker jeg en felles som er enda mer interessant for studenter, forskere og næringsliv enn det vi har i dag. Et viktig element i en slik etablering er å sørge for at Kristiansund kommer på kartet i form av en egen avdeling i tillegg til dagens tre utdanningssteder. Vi vet at det er betydelig sammenheng mellom valg av utdanningssted og hvor studenten får arbeid og blir boende etter endt utdanning, derfor er dette viktig. Jeg vil oppfordre den nye regjeringen til allerede i kommende års budsjett å bevilge midler slik at høyskoletilbudet som eksisterer i Kristiansund gjennom samarbeidet med de tre høyskolene i fylket, kan videreutvikles og forsterkes. Det er ikke de store pengene, men de er viktige på både kort og lang sikt.

Vi ønsker at de som gjør det bra på skolen, skal bli påskjønnet.» Sidan den gong har mykje skjedd, bl.a. har debatten om karakterar til niåringar rasa – ein debatt som, etter denne representantens meining, høgresida tapte. I den nye regjeringserklæringa ligg dette kravet skjult bak uklare formuleringar, men vi veit at det i regjeringa er ei djup tru på at Vi veit også frå andre land, frå elevar, lærarar og forskarar at dette kunnskapssynet ikkje skapar betre læring – det skapar dårlegare læring, også for einarane. Testar og eksamenar gjer at undervisninga handlar om å svare rett etter boka, ikkje nødvendigvis å kunne noko og kunne bruke det til noko. Så kor har ein det frå, dette test- og konkurransekunnskapssynet? Er det kanskje slik at drivkrafta bak Røe Isaksens tru på å kåre første- og sisteplassar strøymer nettopp frå hans idrettsinteresse – at ein ønsker å skape ein skole som ikkje er til for dei som er der, men for oss som ser Den komande perioden kjem til å bli eit oppgjer mellom høgresidas puggeskole og SVs kunnskapsskole. Eg hadde eit innlegg i avisene i sommar, med overskrifta «Tenn vardane – Erna er

Etter å ha lese regjeringserklæringa sit eg att med fleire spørsmål enn svar på desse temaa. Primærnæringane først: Landbruk og fiskeri er viktige pilarar for at vi skal ha lys i husa langs heile kysten og i heile landet. Det vi no veit når det gjeld landbruk, er at det skal forenklast. Men gjeld det talet på tiltaksordningar eller volum? Vi veit òg at buplikta skal bort. Men var det verkeleg «landlordar» dei ville ha, det såkalla overveldande fleirtalet som stemde for ei ny regjering? var det verkeleg «landlordar» dei ville ha, det såkalla overveldande fleirtalet som stemde for ei ny regjering? Fiskeri: Skal det framleis vera aktive fiskarar som eig kvotane? Stemde det norske folket for at fellesskapets ressursar, fisken i havet, skal forvaltast frå Oslo? Kven skal eiga fisken i havet? Sjømatmeldinga om Noreg som verdas fremste sjømatnasjon, som vi vedtok i juni, hadde store ambisjonar for havbruk og fiskeri.

Vi veit at ei omlegging av inntektssystemet vil få negative konsekvensar for svært mange småkommunar. Då sender eg ein vennleg tanke til Høgre-ordførar Mathias Råheim i Gaular som jubla i avisa Firda over å vera budsjettvinnaren i det raud-grøne kommuneopplegget, og spanderte kake på alle. Eg håpar faktisk alle tilsette fekk kakestykke, for det kan verta lenge til neste gong det vert ei Vi veit at det er Bærum som vinn på ein politikk der folketalet tel stadig meir, viss selskapsskatten vert kommunal att, og utjamning vert eit framandord. Det er ikkje oppskrifta på vekst for Sogn og Fjordane. Lokalsjukehusa våre: Etter to dagar i regjering droppa Høgre og Framstegspartiet det å ta bort dei regionale helseføretaka i denne perioden. Dei droppa derimot ikkje det at pasientane skal kunna shoppa der dei vil, og at det offentlege skal betala. Dei private skal kunna tena seg rike på skattebetalaranes rekning, og det er ingenting som tyder på at det vil verta eit betre og breiare tilbod i Sogn og Fjordane av dette. Nynorsken hanglar seg vidare sidan det ikkje er fleirtal i Stortinget for å ta han bort. Men heldigvis manglar denne regjeringa gjennomføringskraft. Det kan verta redninga for oss i Sogn og

Vi skal i kommende periode behandle denne viktige analysen og gjennomføre en reform av politiet, en reform med to viktige elementer: endret struktur, for å få frigjort ressurser til løsning av kjerneoppgavene, og kvalitetsreform, for å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Politiet har en viktig rolle i å gi oss den tryggheten som vi forventer, og det er et viktig fundament for vårt samfunn og for det demokratiet vi har. For regjeringspartiene vil det være viktig å omstrukturere politiet og skape en handlekraftig og moderne organisasjon som skal bli enda bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Målsettingen med det nye nærpolitiet er at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger. For Høyre er det viktig å sikre økt grunnbemanning i politiet. Derfor er det gledelig at regjeringsplattformen til Høyre og Fremskrittspartiet også framhever dette, og har en målsetting om to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. Uten å konkludere angående den kommende behandlingen av politireformen

Troms, som også skal ivareta havområdene og Svalbard, og Nordland, som også skal ivareta hovedredningssentralen. Det må i behandlingen tas hensyn til at Norge er et land også utenom de store byene. Vi har fjord, fjell og lange avstander mellom bebyggelsene. Samtidig skal vi beholde det overordnede målet – et politi som gir oss trygghet i hverdagen.

i norsk politikk, noe som vil gjøre hverdagen enklere for bl.a. lokalpolitikere, næringsliv og folk flest. Nylig ble skattelistene lagt fram. Der kan man se at Hedmark er det fylket i landet som har lavest snittinntekt. For en politiker fra Hedmark er dette selvfølgelig ikke noen hyggelig lesning, men jeg er overbevist om at de gode målene som ligger i Sundvolden-erklæringen, vil bidra til å løfte Hedmark ut av og bort fra denne bunnoteringen. I plattformen er det veldig mange gode eksempler å vise til. Jeg har ikke mulighet til å nevne alle her, men jeg har lyst til å gå inn på noen områder, bl.a. det viktige området samferdsel. Om det står det: «Satsing på utbygging av vei og kollektivtransport økes utover vedtatt Nasjonal transportplan.» Å få en raskere utbygging av dobbeltspor i intercitytriangelet og få fire felt på og få fire felt på hovedveinettet, som f.eks. E6, E16, rv. 3/rv. 25, er avgjørende viktig for å kunne knytte innlandet sammen, men også for å knytte Hedmark og innlandet nærmere til Oslo, slik at vi kan bli en del av Oslo-regionen. I forbindelse med både pendling, bosetting og sysselsetting er dette meget viktig. Et løft innen utdanning, som plattformen legger opp til, med økt fokusering på kompetanse og læreren, er også viktig for Hedmark og innlandet. 50 pst. av alt tømmeret som hugges i Norge, kommer fra Hedmark og Oppland. Hele 30 pst. kommer fra Hedmark. Landbruk og skogbruk er viktige næringer for innlandet. Med de gode målene som ligger i plattformen, og med en meget sympatisk og dyktig landbruksminister, er jeg overbevist om at den bekymringen som deler av bondenæringen har gitt uttrykk for, vil vise seg å være uberettiget. En reduksjon i byråkrati, reduserte skatter og avgifter, gjennomgang av avskrivningsreglene og lengre og tyngre vogntog vil være en fordel for bønder, skognæringen og næringslivet

Den nye regjeringens tiltredelseserklæring var på langt nær like tydelig og klar, selv om vi ser at den peker i en annen retning enn det innholdet i trontalen gjør. Regjeringens politikk vrir, så langt jeg kan se, våre viktige fellesskapsløsninger over på privatisering innen så vel omsorg som skole, helse og samferdsel. Den nye regjeringen sier at den har stor tillit til kommunale og regionale folkevalgte og enkeltmennesker for øvrig. Det er bra og klokt. Men i neste setning får vi høre at det Men i neste setning får vi høre at det skal legges opp til en stor kommunereform, der en med tvang skal slå sammen kommuner, uavhengig av hva våre kloke innbyggere og folkevalgte måtte mene. Dette henger ikke sammen. Arbeiderpartiet er ikke imot kommunesammenslåinger generelt, men tror det er klokt at en slik debatt tas lokalt, og at våre lokale og regionale folkevalgte får si sitt i saken. Jeg vil allerede nå bemerke at den store økonomiske innsparingen som man tror kommer ved kommunesammenslåinger, neppe vil slå inn. Den kommunale velferdsproduksjonen innen omsorg, skole, barnehager og kultur har en kostnad. Åtte av ti kommunale kroner går til å lønne de menneskene som jobber med å produsere velferden, uavhengig av om kommunen er liten eller stor. Det som ofte er den store utfordringen, spesielt rundt de større byene, er arealplanleggingen. Den kan løses i et godt interkommunalt samarbeid og er i seg selv ikke noe godt argument for en storstilt tvangssammenslåing av kommuner i dette landet. Den nye regjeringen flagger også endringer i arbeidsmiljøloven, med tanke på å utvide mulighetene for midlertidige ansettelser, åpne opp for søndagshandel generelt og for endringer i arbeidstidsbestemmelser som Jeg kan ikke se at disse endringene vil gjøre hverdagen noe enklere og bedre for det store flertall av befolkningen. Å måle eller å dømme den nye regjeringen på denne erklæringen er ikke mulig. Det som derimot er mulig, er å konstatere at jeg ikke finner igjen de mange valgløfter som vi hørte. Jeg finner heller ikke igjen de løsningene som vi alle gjennom hele valgkampen hørte at Høyre og Fremskrittspartiet hadde. Jeg ser fram til at regjeringen starter konkretiseringen av de sakene som den har varslet om og drevet med valgløfter i, slik at vi konstruktivt kan debattere hvordan vi kan opprettholde/styrke kommuneøkonomien, fortsette satsingen på skole og omsorg, fortsette satsingen på regionale og lokale kulturtilbud – i det store og hele fortsette satsingen på velferdstilbud der hvor folk

Det må etableres en felles forståelse for hva som er en riktig satsing i den enkelte by og region, ellers kan det beste bli det godes fiende. Det vil samtidig sikre at utbygging med store, krevende kollektivinvesteringer følges opp med bærekraftig knutepunktutvikling. Jeg vil i denne sammenheng spesielt peke på det positive i at regjeringen i sin tiltredelseserklæring åpner for at den vil kunne inngå forpliktende utbyggingsavtaler. Det er noe som fylker og kommuner har ventet på. Regjeringen varsler en betydelig økning i bevilgningene til nye buss- og baneløsninger. I Oslo-regionen er Fornebu-banen og Ahus-banen kostbare t-baneprosjekter som bare kan realiseres ved et betydelig statlig engasjement. Stilt overfor den sterke befolkningsveksten, spesielt i byområdene, har satsing på jernbane flere aspekter. For det første: Satsing på intercitytriangelet, inklusiv ny Oslo-tunnel og vil være med på å utvide det felles bolig- og arbeidsmarkedet. Dette vil være med på å spre veksten noe, som må ses på som en stor fordel. For det andre: En godt utbygd jernbane vil være ryggraden i transporten fra omlandet og inn til de store byene. I Akershus legges bussrutene om, slik at man i større grad bringer passasjerene til jernbanestasjoner med hyppige togavganger. Dette er en medvirkende årsak til at passasjerveksten hos NSB nå er på over 8 pst. og på høyde med veksten i annen kollektivtransport i Akershus. Det tredje området er jernbane som godstransportør. Her er det nødvendig å øke utbyggingstakten. Intercityutbyggingen vil også her spille en viktig rolle. Men jeg vil særlig legge vekt på behovet for den grensekryssende godstrafikken, både i nord og i syd. I sine merknader til NTP tok Høyre til orde for en skandinavisk transportstrategi. Min erfaring er at vi i Norge, Sverige og Danmark har kommet langt med dette på det regionale forvaltningsnivået, men at det har blitt stemoderlig behandlet på det nasjonale plan, hvor beslutningene skal tas – spesielt på norsk side. Regjeringen legger opp til en aktiv storbypolitikk. Det er viktig at vi lykkes med den. Det vil få avgjørende betydning for resten av landet. I forbindelse med NTP formulerte man sine visjoner for kollektivtrafikken. Ikke uventet blir dette nå regjeringens politikk.

andre budsjetter. Skal private i omfattende grad inn i helse- og omsorg, må man overføre midler fra de offentlige tjenesteyterne. Derfor er det flere innen norsk helsevesen som advarer mot såkalt fritt behandlingsvalg eller fri etableringsrett for private, kommersielle aktører, som jo er den riktige betegnelsen. Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, kaller dette for «feil medisin» i et innlegg i Dagbladet i dag, og nylig gikk direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen, ut i media og advarte mot utstrakt privatisering, fordi vi med dette vil tappe de offentlige sykehusene for ressurser, både økonomiske og faglige. Han understreket spesielt at en slik politikk vil gå ut over den viktige fordelinga mellom regionene – privatisering har jo som kjent en tendens til å virke sterkt sentraliserende. Regjeringa kan ikke ha regnet på eller analysert hva som kan bli konsekvensene av sin privatiseringspolitikk – eller er det ideologien som her trumfer andre hensyn? Arbeiderpartiets helsepolitikk ligger fast: Vi vil at det offentlige skal ha ansvar for både prioriteringer og fordelinger i helse- og omsorgstjenestene, der private og ideelle aktører er et supplement, men med basis i definerte behov. Derfor la vi før valget fram en konkret og forpliktende plan for styrking og utbygging av de offentlige sykehusene våre. Planen beskriver fire viktige mål: Kvaliteten skal økes, ventetida reduseres, egenandelene holdes lave og rekrutteringa av gode fagfolk sikres. Vi forpliktet oss til å øke bevilgningene til de offentlige sykehusene med 12 mrd. kr de neste fire årene. Høyrepartiene ga også et løfte om 12 mrd. kr ekstra til sykehusene før valget. Jeg ser med forventning fram til at de vil holde det løftet – i så fall skal de få støtte fra Arbeiderpartiet.

Ofte følger det med historiene at både pasienten og pårørende har prøvd ganske hardt, ganske lenge og på flere måter å få hjelp. Venstre har flere innganger til å styrke helse- og omsorgstilbudet. Vi vil ha en gjennomgang av både byråkrati, organisering og oppgavefordeling, aktører, prioritering og investeringer – uten å miste pasienten av syne. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling. Dette er et av de første tiltakene Venstre vil støtte opp under. Vi ønsker en kommisjon som skal evaluere helseforvaltningen, med sikte på å fjerne unødig rapportering og redusere byråkrati. Vi tror det er for mange lover, forskrifter, resultatmål, oppdrag, rapporteringskrav og skjemaer som tar for mye tid fra pasientbehandling i dag. Vi tror mye kan løses med økt tillit til fagfolk og lokale beslutninger, kombinert med bedre informasjon, økt service Dernest ser vi en utfordring i dagens organisering. Helseforetakene spesialiseres i økende grad, samtidig som omsorgsoppgavene overføres til kommunene, uten at de blir satt i stand til å løse oppgavene tilstrekkelig. Særlig gjelder dette innen rus og psykiatri, men vi ser også ambisiøse investeringsplaner for nye sykehus, som angir en retning som tilsier at kommunene må settes i stand til å ta nye utfordringer innen ansvar, avansert pleie og enklere somatikk. For å løse disse utfordringene mer optimalt trenger vi en ny kommunestruktur, og vi trenger en nasjonal sykehusplan. Venstre er positiv til regjeringas ambisjoner her, men vi vil være utålmodige. Rett nok skal vi ha et bedre alternativ til de regionale helseforetakene på plass før vi avvikler dem, men fire år på Vi er også positive til regjeringas ønske om å opprette Sykehusbygg som et forvaltningsorgan for investering og drift i sykehussektoren. Forsvarsbygg har tilsvarende vært en betinget suksess. Bare de neste fire årene er det varslet investeringer på over 36 mrd. kr i sykehusene. I tillegg er det flere meget store investeringsplaner på tegneblokka etter 2017. Her må vi finne en balanse mellom investeringer i det folk flest trenger mest av, nemlig det allmennmedisinske og desentraliserte og det spesialiserte og sentraliserte. I dette bildet trenger vi en avklaring av hvilke oppgaver lokalsykehusene skal ha, hva et område- eller regionsykehus skal være, hva universitetssykehusene skal gjøre, og hva som skal være landsfunksjoner. Venstre er også opptatt av å få til et økt samarbeid med særlig Sverige og Danmark om å fordele noen spesialiserte funksjoner landene imellom samt å investere mer samlet i medisinskteknisk utstyr og forskning. Til dette trenger vi økt nordisk samarbeid. Det er sagt fra denne talerstolen at velferdsstaten er på gyngende grunn, og at vi ikke har råd til den i framtida. Det er ikke noe nytt, det er bare en mer sofistikert måte det presenteres på i dag. Det bygger på en «hvem skal ut»-mentalitet. Det vernet arbeidstakerne har i arbeidsmiljøloven, får vi høre at må svekkes, og det er i velferdsstatens navn. Retten til en fast og trygg jobb må svekkes – i velferdsstatens navn. Kort sagt må makt flyttes oppover fra arbeidstaker til eier for å bevare velferdsstaten, sier bl.a. representanten Rotevatn. Det er fordi det må lønne seg å jobbe. Det er en setning som burde være en selvfølgelighet, men som har blitt noe helt annet. Det har blitt en så politisk ladet setning. Pensjonen til de uføre skal Høyre og Fremskrittspartiet kutte så det skal lønne seg å jobbe, men kontantstøtten skal styrkes. Da er det ikke lenger så viktig at det lønner seg å jobbe, da er det tillit til enkeltmennesket som teller – tillit til enkelte mennesker, tillit til friske mennesker, men ikke tillit til hva mennesker får til sammen. I debatten om velferdsstatens framtid er verken arbeidsmiljøloven, hele stillinger eller sikkerhetsnettet vårt hellig. Jeg tror at bekymringen til Rotevatn og høyresiden for øvrig ville ha truffet flere om man la til grunn en forståelse for hva det er som gjør velferdsstaten så spesiell og unik og vellykket. Det er fint å være politiker og snakke om tillit til enkeltmennesket, men det er ikke tillit til enkeltmennesket f.eks. å sende en ung jente på fastlegeshopping til hun finner en lege som vil henvise henne, like lite som det er tillit til enkeltmennesket å kutte i pensjonen til uføre som ikke kan noe for at de ikke kan jobbe, fordi regnestykket ikke går opp, like lite som at det er tillit til bonden å si at han holdes i live av et kommunistisk system eller å tvinge gjennom privatskoler som lærerne selv advarer mot. Det regjeringens plattform bærer preg av, er ikke tillit til enkeltmennesket, det er tillit til fortreffeligheten i egne politiske løsninger og systemer, uten henblikk til at velferdsstatens suksess bygger på en langt mer grunnleggende tillit, og det er tilliten vi skaper ved at alle bidrar, at alle tas vare på, at alle kan se at selv de rikeste bidrar, og at alle kan se at selv de som er svakest, eller er mest utenfor akkurat nå eller ikke kan jobbe, at også de har det anstendig. Det er motsatsen helt uavhengig av hvilken retorisk innpakning den kommer med. Det har blitt sagt at vi drev med skremsler i valgkampen, men jeg vil nå si, når jeg har lest Høyre og Fremskrittspartiets politiske plattform, at Høyre- og Fremskrittsparti-velgerne har fått veldig mye høyrepolitikk igjen for stemmene sine – dessverre.

De presenterte en ny maritim strategi, Stø kurs 2020, hvor visjonen er at Norge skal være en av verdens ledende nasjoner og et attraktivt maritimt verftsland. Det er viktig at denne næringa gis forutsigbare rammevilkår. Det har Arbeiderpartiet gjort gjennom en aktiv næringspolitikk.

Og ikke minst må nevnes utviklinga av offshoreindustrien på Sørlandet gjennom 60 bedrifter tilknyttet NODE-nettverket. Dette er eksempel på omstillinger i industrien som har bidratt til en mer robust regional næringsstruktur og utvikling av nye regionale kompetansearbeidsplasser. NODE er et av fire nettverk som i dag er med i Det ble derfor svært godt mottatt da regjeringa foreslo 10 mill. kr til et nytt helhetlig programtilbud, nemlig Global Centre of Expertise. Dette kan bli starten på noe stort ved å støtte de sterke klyngenes utvikling med tjenester fra virkemiddelapparatet tilpasset strategiske aktiviteter for å forsterke klyngenes kunnskapstilkopling og innovasjonsarbeid.

er at den nye regjeringa, Høyre og Fremskrittspartiet, er vage med hensyn til nettolønnsordninga og hvem som skal omfattes av den, og ikke med et ord har nevnt noe om en aktiv næringspolitikk. Jeg har også merket meg at disse partiene har kuttet i regionale utviklingsmidler i sine budsjetter.

med eit langt sterkare og reelt lokaldemokrati. Dei reformene som regjeringa skal gjennomføre, vil vere prega av at det er eit nytt politisk fleirtal, som har andre verdiar og prioriteringar. Det er svært gledeleg å registrere at regjeringa vil leggje til rette for langt større tillit til innbyggjarane og lokaldemokratiet, og at dei nye reformene skal utformast i eit generasjonsperspektiv. Høgre har alltid vore ein sterk forsvarar av lokaldemokratiet og av den private eigedomsretten. Lokal sjølvråderett sikrar nærleik til avgjerdene, medråderett for innbyggjarane og eit levande demokrati. Vi meiner at maktspreiing gjer samfunnet sterkare, og at styrking av lokalt sjølvstyre og langt større respekt for den private eigedomsretten er viktige fundament for ei slik maktspreiing. Den nye regjeringa vil leggje til rette for ein ny modell for miljø- og arealforvaltninga som skal skape ein betre balanse mellom statlege og lokale styresmakter, der omsynet til enkeltpersonar og lokalsamfunn blir teke vare på langt betre enn i dag. Det blir viktig å utvikle ein modell for natur- og miljøforvaltning som byggjer på eigedomsrettslege prinsipp og lokalt sjølvstyre. Det betyr maktspreiing i praksis. Det er mange viktige punkt i den nye regjeringsplattforma som vil styrkje lokaldemokratiet, og det står bl.a.: «Det er lokalt man kjenner egne utfordringer best. Regjeringen vil derfor legge til rette for mer lokal tilpasning av arealpolitikken.

«Gi kommunene forvaltningsansvaret innenfor lokale verneområder. La kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark.» Lokal medverknad er viktig og avgjerande. Dette er viktige moment i ei omfattande kommunereform som skal styrkje det kommunale sjølvstyret, og det er eit godt utgangspunkt for ein framtidsretta politikk som byggjer på tillit til enkeltmenneska, familiane og lokalsamfunna. Eg håpar at fleire parti, også utanfor dei fire samarbeidande partia,

Enhver identitetsprosess starter med spørsmålet: Hvem er vi? Kunst og kultur gir oss kanskje de beste svarene på nettopp det spørsmålet. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer og ikke minst i fellesskap, og til å vise et mangfold. Er det noen i dag som stiller spørsmål ved de stipendene som Munch fikk? Er det noen i dag som stiller spørsmål ved om kultursatsingen i Norge historisk sett har vært for høy? Eller skulle vi ønske at stortingsrepresentantene før oss hadde satset enda mer? Jeg mener at svaret gir seg Et samfunn har historisk sett aldri hatt råd til å overse kulturen. De samfunnene som har valgt å styre med nedprioritering av kulturen, har i lengden tapt en viktig del av seg selv. Derfor er det svært bekymringsfullt at regjeringen ikke har funnet kultur viktig nok til å ha dette som en av sine fremste politikkområder. Nettopp derfor er det viktig for oss i Stortinget å ha et spesielt fokus på området. For å bevare og for å utvikle vår kultur må vi dyrke den og gi den gode kår. Det er vårt, politikernes, ansvar.
ikke fullt så klare som de var for noen uker siden. Løsningene er ikke fullt så enkle som de var for noen uker siden. Og slik er det om det dreier seg om mennesker som ikke skal være her i landet, men som ikke kan sendes ut fordi det er problematisk å sende dem til hjemlandet sitt – det var visst ikke så enkelt å få dem ut likevel. Slik er det om det dreier seg om mennesker som ikke får akkurat den behandlingen, eller akkurat den medisinen som de ønsker akkurat når de ønsker det. Før valget var det uproblematisk, nå må det ses litt nærmere på sakene før en kan uttale seg. Slik er det om det gjelder alle samferdselsprosjektene som skulle bygges. Det var i grunnen ikke måte på hva som skulle skje innenfor både jernbane og veg. Det ene av regjeringspartiene skulle endog bygge mye mer veg – enormt mye mer veg – uten bompenger. En rekke nå sies det i grunnen ingenting. Og når samferdselsministeren får spørsmål om et så stort prosjekt som ferjefri E39, er det heller ingen kommentar. Og det er jo ikke akkurat en liten gangveg eller et lite filleprosjekt vi prater om, men et stort og viktig prosjekt for store deler av kysten vår. I dag har vi hørt at Fremskrittspartiets talere i alle fall har lært seg ett tall, og det er viktig: prosent. Ja, for vi har fått høre gang etter gang at det bare var 16 pst. av velgerne som stemte på Fremskrittspartiet. Det virker nesten som om Fremskrittspartiets talere er glade for at det ikke var flere enn 16 pst. som stemte på Fremskrittspartiet. Vi skjønner alle at alt som står i Fremskrittspartiets program, ikke kan bli realisert av denne regjeringen. Det skjønner vi, og det skal vi ikke forvente.

Da vi behandlet Nasjonal transportplan i det forrige stortinget, ville begge regjeringspartiene øke rammene til Nasjonal transportplan. Fremskrittspartiet ville øke dem veldig mye mer. Høyre ville øke rammene noe mer. Da må vi nå forvente at regjeringen styrer ut fra en transportplan hvor de møtes et sted midt imellom det som var Høyres forslag, og det som var Fremskrittspartiets forslag. Eller skal regjeringen styre ut fra den Nasjonal transportplan som det forrige stortingsflertallet vedtok? Det blir interessant å se.

I den stadig mer hektiske mediedebatten kan det av og til være vanskelig å se de lange linjene når forskjellige forslag skal debatteres. Derfor er det desto mer gledelig at det nye flertallet i denne salen løfter de lange linjene i norsk politikk, ved å trekke frem både de fantastiske mulighetene vi har som nasjon, og de utfordringene vi står overfor. Selv om dette stortinget er valgt for de neste fire årene, vil de valg vi gjør i denne sal nå, legge grunnlaget for velferden i landet i flere tiår fremover. De enorme inntektene vi har, vil ikke vare evig. Derfor må vi bruke det handlingsrommet vi har, til å investere for fremtiden fremfor å falle for fristelsen til kun å bruke pengene på kortsiktige løsninger og tiltak. Den valgkampen vi har lagt bak oss, handlet mye om nettopp generasjonsperspektivet. Velgerne ble stilt overfor to klare alternativer, og det gleder meg å kunne konstatere at de ga et solid mandat til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre til i fellesskap å styre landet. Vi må i større grad bruke petroleumsinntektene til å investere i varige verdier for landet, og den viktigste nasjonalformuen vår ligger ikke under havet, men sitter i klasserommene. Det er avgjørende for fremtiden at vi skaper en skole som gir muligheter for alle, og at vi investerer slik at vi kan realisere kunnskapssamfunnet. Vi skylder de seksåringene som denne høsten gikk inn i skolegården for første gang, å ha like høye ambisjoner på deres vegne som de har på sine egne. Og alle som har snakket med en av disse elevene, vet at de ambisjonene er skyhøye. Skolen er til for elevene, men vi vet også at den viktigste faktoren for at hver og én av dem skal nå sine mål, er at de møter en god lærer i klasserommet. Derfor er Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens varslede satsing på lærerne en av de viktigste langsiktige investeringene vi kan gjøre for fremtiden. Gjennom å satse kraftig på etter- og videreutdanning av lærere, skape en bedre og mer omfattende lærerutdanning og ikke minst ved å sikre karriereveier for våre dyktige lærere i klasserommene sikrer vi elevene et best mulig utgangspunkt. En del representanter har på denne talerstolen sagt at dette er en videreføring av den gamle regjeringens politikk. Da er det litt pussig å høre Utdanningsforbundet juble over en ny regjering som endelig satser på lærerne. Norge står overfor store utfordringer i transportsektoren. Det er

Det er derfor nødvendig at den nye regjeringen kommer med statlige midler for å få på plass kollektivtilbud for morgendagen over hele landet. I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti framgår det at samferdselssektoren skal få større satsing enn det NTP legger opp til. Det vil vi i Venstre følge nøye med på i budsjettbehandlingen. I går og i dag har det pågått en stor konferanse på Gardermoen hvor næringslivet bl.a. tar opp spørsmålet om forfallet på jernbanen, som gjør at mer gods flyttes fra bane og over til vei, motsatt av det vi politikere ønsker. Det skaper mer fare i trafikken, og det representerer større slitasje på veiene. For næringslivet er det også langt å fortrekke å få gods på jernbane; det er langt mer kostnadseffektivt. Men næringslivet stoler ikke på framkommeligheten. Det er uberegnelige ras, forsinkelser og noen ganger ukevis med innstillinger. Vi i Venstre vil i våre budsjetter prioritere å gi til å forhindre ytterligere forfall og til å forbedre eksisterende linjer. For Venstre vil særlig de veiene som er viktige for næringslivet, være en prioritet. Men for Venstre som helhet er det kollektiv og jernbane som vil være hovedprioritet. Vi mener at det for å få realisert klimaforliket og NTP minst trengs at staten bidrar med 50 pst. statlig andel i de store kollektivutbyggingene, at det må være større belønningsmidler, som omfatter flere byområder, og at vi må ha større statlige bidrag på sykkel- og gangstier.

for at de skal gjennomgå nødvendig omorganisering. Formålet er å få ned planleggingstiden og få raskere igangsatt og gjennomført prosjekter, både nye prosjekter og forbedring og forsterking av eksisterende tilbud. Vi vil i våre budsjetter også følge opp oppgradering av enkeltstrekninger. Det gjelder særlig Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen, og i Akershus er vi særlig opptatt av Fornebubanen, A-husbanen og at E18 Vestkorridoren

for folk flest, og som forstår at verdier må skapes før de kan deles. Jeg har representert Fremskrittspartiet i mange år, og da Fremskrittspartiet gikk inn i regjeringen, var det uten tvil et høydepunkt. Alle som har jobbet i privat sektor, vet at det er forskjell på penger til forbruk og penger til investering. Nå har vi endelig fått en regjering som vil legge til rette for at en større del av avkastningen fra oljefondet investeres i vei, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Politikken som er blitt ført hittil, har ikke vært optimal. Det kjenner vi godt til i Vestfold som jeg kommer fra. E18 gjennom Vestfold kunne vært gjennomført på fem år, men i stedet bruker man altså 24 år på strekningen og Strekningen er delt inn i ti parseller i vårt lille fylke, og det sier seg selv at man ikke kan fortsette på denne måten. Toll er et meget viktig område der Norge i mange år dessverre har utmerket seg i feil retning. Den nye regjeringen vil ha en ny kurs og heve grenser for tollfri import, forenkle tollbehandlingen, redusere tollmurene og føre en ny utenrikspolitikk som bidrar til friest mulig verdenshandel. Vi må aldri glemme at Norge som et lite og eksportorientert land er blant landene som selv nyter godt av at folk kan handle med hverandre på tvers av grensene. Norge ble et rikt land bl.a. fordi vi på 1800-tallet fikk lov til å eksportere fisk og tømmer, og fordi unge norske menn fikk jobbe med internasjonal handel og eksport i skipsfartsnæringen. Nå er det andre land som eksporterer seg ut av fattigdommen, f.eks. latinamerikanske og asiatiske land. Derfor vil den nye regjeringen bidra og forbedre ordninger som gir utviklingsland bedre tilgang på norske markeder. Ja, det vil ta tid å rydde opp i særnorske tollsatser og å redusere andre handelshindringer, men den nye regjeringen har i hvert fall en klar visjon om hvilken retning vi skal gå, og dette kommer tydelig fram av regjeringserklæringen. I tillegg til å hjelpe andre land gjennom lavere toll og økt internasjonal frihandel vil den nye regjeringen opprette et investeringsprogram innenfor oljefondet som skal investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land. Det er ingen tvil om at den nye regjeringen er historisk. Jeg er utrolig stolt og ydmyk når det gjelder å få være en del av dette.

No er det ei blå-blå regjering som skal ta landet vidare. Det som er sikkert, er at dei tek over eit land i god stand. Sidan 2005 har det vorte 340 000 nye arbeidsplassar her i landet – to tredjedelar i privat sektor. Den raud-grøne regjeringa har ført ein aktiv næringspolitikk og har satsa der me er gode. Me har levert verftspakke og skogpakke, og me har levert på forenkling. Eit døme her er revisorplikt. Eg ser at den blå-blå regjeringa vil vidareføra forenklingsprosjektet. Dette er positivt, men kvifor skal ein laga eit nytt byråkratisk regelråd etter modell frå Sverige? Sverige har oppnådd forenkling for 6,8 mrd. kr på seks år, medan den raud-grøne regjeringa har oppnådd 5 mrd. kr på to år. Det er mange punkt i plattforma som er positive, og som me er einige om – t.d. at regjeringa skal fremja tiltak med sikte på at fleire skal velja utradisjonelle utdanningar og karrierar for å bidra til eit mindre kjønnsdelt arbeidsliv. For meg som har jobba med dette i mange år, er det veldig positivt. Eg ser fram til det arbeidet og skal bidra med gode idear og forslag. Men så må eg seia at eg er litt i stuss, all den tid at vår nye likestillingsminister, Solveig Horne, har vore imot kvar einaste gong me har debattert dette her i Stortinget. Det er verkeleg alvorleg at den nye regjeringa vil utvida reservasjonsretten for legar til å visa til abort. Eg høyrer i dag at dei seier at dette ikkje skal gå ut over unge jenter, da dei berre kan gå til ein annan lege. Men faktisk er det nokre bygder der det er berre ein lege. Korleis har dei tenkt å løysa det der? Det bør regjeringa svara på, aller helst bør dei sørgja for at dette ikkje vert sett i verk. I år feirar me 100 år for kvinner sin stemmerett. I 100 år har me teke steg for steg for eit meir likestilt samfunn. Da er det trist at dei som har fått regjeringsmakt, vil ta steg tilbake i tid.

nok. Dette helsevesenet har jeg jobbet i i mange år. Derfor synes jeg det er litt stilig at jeg har fått nr. 113 på Stortinget. Vi har mulighet til å behandle og redde stadig flere. Allikevel er det noen grupper mennesker som trenger vår helsehjelp spesielt. De har ingen demonstranter på utsiden av de har heller ingen andre plasser å protestere, de har ingen blålys som settes på for dem, de har ingen uniformerte personer som kjemper deres kamp, nemlig rus- og psykiatripasientene. Mange tusen står på lister for å få vår hjelp. Hver eneste julaften i mange år badet jeg mange av disse, men jeg hadde ingen plass å sende etterpå. Disse personene fortjener vårt fokus, flere behandlingsplasser, et sømløst – ikke et søvnløst – helsevesen fra kommunene der alle bor, til spesialisthelsetjenesten, fra lavterskeltilbud til spesialisert hjelp. Jeg er kjempetakknemlig for at statsministeren i sin regjeringserklæring snakker om et sikkerhetsnett, snakker om vilje og evne til å satse på at vi ønsker å flytte disse pasientgruppene lenger fram. Men dette henger også sammen med annen politikk, det henger sammen med den alkoholpolitikken vi fortsatt vil drive, og som er viktig for Statsministeren sa at de ville dekke bord lenger framme til dem som sliter mest. Kristelig Folkeparti er helt enig i det. Vi ønsker å få en opptrappingsplan på rusfeltet. Det foreslo vi også i forrige periode. Kristelig Folkeparti vet at det finnes mye kompetanse ute blant ideelle organisasjoner som kan avhjelpe, og som har kompetanse til å avhjelpe det kapasitetsproblemet som faktisk er. Dette er organisasjoner som mistet retten da anbudsprosessen var på det verste, eksempelvis Basissenteret i Sandnes eller Blå Kors og Frelsesarmeen. Kristelig Folkeparti tror på oppstandelse, og vi tror at det er mulig med oppstandelse også for disse organisasjonene. Men jeg tror kanskje det er drøyt å be regjeringen om det etter tre dager, men bruk de ideelle organisasjonene i helsehjelp i forbindelse med psykisk helse og

Dagens samferdselssatsing er mulig fordi vi har holdt orden i økonomien og prioritert samferdsel framfor skattekutt. I vedtatt Nasjonal transportplan 2014–2023 er det nye ambisiøse steg for bedre veier, jernbane, havner og farleder. Nasjonal transportplan 2014–2023 inneholder en økt ramme på mer enn 150 mrd. kr, eller økning. De neste ti årene skal det brukes hele 508 mrd. statlige kroner på samferdsel. Det blir en massiv satsing på enklere, raskere og sikrere transport over hele landet. Denne satsinga regner jeg med vil stå fast, i hvert fall hvis vi legger til grunn det som står i regjeringas nye plattform på dette området. I tillegg la jeg merke til at samferdselsminister Solvik-Olsen i dag sa at de sågar også skulle gjennomføre det både raskere billigere. Men det er noen områder som bekymrer meg: E6 på Helgeland er nå klar til å bygges. Spørsmålet er om det blir med eller uten bom. E6 på Helgeland er klar til en betydelig utbygging de neste årene, men her har både Fremskrittspartiet og Høyre sagt at de vil se på en utbygging uten bompenger. Det som da er viktig, er at dette ikke medfører stopp i framdriften, som fort kan skje. Så til den nye måten å bygge vei på, OPS. Der sier regjeringa i sin plattform at de vil organisere større vei- og jernbaneutbygginger med OPS. Men de sier at det skal være en gjennomføringsstrategi, og da er spørsmålet: Er det bare en gjennomføringsstrategi, eller skal man også bruke det som en finansieringsmåte? Her synes jeg regjeringa er uklar. Så til jernbane. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en større reform på jernbanesektoren.

Persontogtransporten i Norge er lite egnet for privatisering. På grunn av befolkningstallene er markedsgrunnlaget på en del av disse strekningene magert, og konkurranseutsetting kan føre til redusert togtilbud på ulønnsomme strekninger i distriktene. Jeg er oppriktig bekymret for Så til slutt: I plattformen skriver de at de skal legge til rette for privat eierskap i Nord-Norges næringsliv. Da spør jeg meg: Har vi ikke privat næringsliv i Nord-Norge i dag, eller hva er det egentlig de mener med det som står i erklæringa? Det er flott at opposisjonen er

Mange venter i dag unødvendig lenge på utredning og behandling eller får et for dårlig omsorgstilbud i sin kommune. Venter man lenge på behandling, kan sykdom forverre seg og i verste fall ende med død i en sykehuskø. Mange lengeventende blir også sykmeldte og faller ut av arbeidslivet. Dette skaper utrygghet og fører til unødvendig lidelse for Det er viktig at vi har tillit til det offentlige helsevesenet. Regjeringen vil derfor at staten skal ta et større ansvar for en raskere utbygging av kapasiteten i eldreomsorgen. Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut, og styrkingen av kvalitet i tilbudet er et viktig mål. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold også for eldre som rammes av demens I regjeringsplattformen er det nedfelt at en vil fremme en nasjonal helse- og sykehusplan. En slik plan vil skape åpenhet og ikke minst forutsigbarhet i helsesektoren. Den skal inneholde definisjoner på ulike typer sykehus og struktur i spesialisthelsetjenesten og inneholde behovskartlegging av investeringsplaner og utstyrsbehov. Inntil planen er behandlet, har regjeringen bestemt at det ikke skal legges ned akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med pasientsikkerhet og kvalitet.

Regjeringen vil altså sette pasienten i sentrum og ikke systemet. Mye er bra i det norske velferdssamfunnet. De fleste av oss får den hjelpen vi trenger. Likevel er det grupper som ikke fanges godt nok opp av vårt sosiale sikkerhetsnett. Pasienter med rusavhengighet eller psykiske helseutfordringer har i for mange år sittet nederst ved bordet. De må få et bedre tilbud. tilbud. Det er derfor gledelig at pasienten nå settes i sentrum, og ved endring og utvikling av helsetjenestene må pårørende møte et hjelpeapparat som jobber sammen med dem om pasienten. Sammen med utdanning, helse og arbeidsliv er bolig en av de fire pilarene i velferdspolitikken. De utgjør grunnlaget for at alle mennesker skal kunne ha frihet og mulighet til å skape seg et godt liv. Derfor er det en viktig politisk oppgave for Arbeiderpartiet å legge til rette for at det bygges flere og gode boliger. De siste årene har den rød-grønne regjeringen økt bostøtten, gitt startlån til flere ungdommer og andre som sliter på boligmarkedet, lånerammene til Husbanken er økt gjentatte ganger, og det bygges flere kommunale boliger. Men vi har fremdeles utfordringer knyttet til høye boligpriser og mangel på boliger. For Arbeiderpartiet er det utfordringer som ikke kan løses av markedet alene – vi trenger en aktiv politikk.

Så registrerer jeg at de blå-blå har vannet ut ambisjonene på boligområdet siden valgkampen. En uke før valget stilte alle de borgerlige partiene seg opp utenfor Stortinget med et samlet krav om å redusere bankenes egenkapitalkrav. Det var et av de mest konkrete løftene til ungdom fra de borgerlige partiene. Så kom valget, og løftet forsvant i det blå. Statsråd Sanner slo etter valget fast med stor selvfølgelighet at regjeringen ikke vil overprøve Finanstilsynet. Men hvis dette er så åpenbart, hvorfor i all verden lovet man velgerne noe helt annet i valgkampen? Jeg konstaterer at byggenæringen i sin pressemelding etter valget hadde rett da de skrev at dette er et «løftebrudd før tiltredelse». Men la oss håpe det er litt mer gjennomføringskraft når det gjelder studentboliger. Jeg er stolt over at den rød-grønne regjeringen rettet opp i høyresidens studentboligkutt og satte i gang en massiv satsing på studentboliger da vi tok over i 2005. Neste år foreslår vi

litt usikker på hva det er flere enn, men vi ser fram til konkretiseringen. Så velger jeg å være optimist. Jeg ser med stor forventning fram til den nye regjeringens budsjettforslag. Arbeiderpartiet skal være utålmodig på vegne av landets studenter – det fortjener de. Som det er til konkretiseringen. Så velger jeg å være optimist. Jeg ser med stor forventning fram til den nye regjeringens budsjettforslag. Arbeiderpartiet skal være utålmodig på vegne av landets studenter – det fortjener de. Som det er blitt sagt av fleire under debatten her i dag, er resultatet etter valet eit historisk stort borgarleg fleirtal eit historisk val som også har ført Framstegspartiet inn i regjeringskontora, og trass i ein liten at nettopp desse statsrådane vil vise seg å vere både handlingskraftige og framtidsretta. Dette står i motsetning til den raud-grøne regjeringa, som sat med hendene i fanget i mange saker, også når det gjeld avklaring av traséval for ferjefritt E39 i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som fjordkryssingar i Nordfjord, over Sulafjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden – trass Indre trasé under Utvikfjellet via Stryn og vidare inn på Kvivsvegen mot Volda, konsept K10, Hafast, Hareid fastlandssamband frå Hareid mot Ålesund, konsept K3, Møreaksen, undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden via Tautra mot Molde, konsept K3, Halsafjorden, flytebru, alternativt K2, som

Denne økonomiske stimulansen til nye, gode energiprosjekt har verkeleg skote fart i utbygginga i vårt naboland. Heile sju terrawatt er det gitt tilsegn om der, mens vi her til lands har makta å få på plass om lag ein tiandedel. Dette er verkeleg alvorleg, og vi risikerer at norske straumforbrukarar betaler svenskanes kraftutbygging, mens våre utbyggjarar finn sine søknader igjen i ein endelaus byråkratkø. Dette er ikkje godt nok og må rettast opp så godt som mogleg, slik at også vi får vår fornybardel, om vi skal liggje på verdstoppen i lag med Island. Så heilt til slutt: Når eg høyrer SVs Snorre Serigstad Valens innlegg, med harselas over valvinnarane sine løysingar, gir han eit ansikt til ytringa: Folk flest veit ikkje sitt eige beste, gi meg eit nytt folk – sikkert i håp om ei betre oppslutning.

Det er jeg glad for – ikke minst har vi selv høye krav og store forventninger til denne regjeringen. Noe av det som gleder meg aller mest med erklæringen, er regjeringens store satsing på kunnskap. En bedre skole med bedre lærere er avgjørende for at vi skal få de klokeste hodene og for å gi alle elever en mulighet til å bli så gode som de overhodet kan bli. Læreren er den enkeltfaktoren som betyr mest for elevenes læring.

En gruppe elever som ofte blir glemt i samfunnsdebatten – eller som det i alle fall snakkes lite om – er yrkesfagelevene og fag- og yrkesopplæringen. Både bedrifter og offentlig sektor vil i framtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Statusen til disse må heves. Vi vet også at det blant disse elevene er nærmere To av de aller viktigste tiltakene mot dette, som også regjeringen har sagt at de skal jobbe med, er å yrkesrette fellesfagene enda mer samt å styrke mulighetene for at yrkesfagelevene kan veksle mellom opplæring på skole og opplæring i bedrift. Det er slik at det går en lang rød tråd gjennom Norges historie når det gjelder hva vi har livnært oss på, og hvordan vi har kunnet nyttiggjøre oss nettopp fra vikingskipene som lot oss dra ut og oppleve og oppdage verden, til de klassiske fiskeriene, til mineralutvinning og gruvedrift og nå til olje- og gassvirksomhet og oppdrett av fisk. Fellesnevneren for disse er selvsagt naturressurser, men enda viktigere er kunnskap – kunnskap til å utnytte de fortrinnene vi har. Mange i samfunnsdebatten synser og mener mye om hva vi etter oljealderen. Etter mitt syn skal vi som nasjon leve av det samme som vi har gjort de forrige hundreårene: kunnskapen. Konkurransen har imidlertid blitt større. Den globaliserte verden setter enda større krav og standarder til varene og tjenestene vi produserer – ikke minst gjør pris- og kostnadsnivået det avgjørende å være best mulig rustet for framtiden. Det blir vi med denne regjeringen. Kunnskapssamfunnet

når Arbeiderpartiet kritiserer regjeringsplattformen for ikke å ha klima som ett av sine åtte særlige satsingsområder. For den nye regjeringen er klimautfordringene så viktig at dette området ligger som en del av verdigrunnlaget for regjeringen. I 2005 deltok jeg, som statssekretær i Bondevik II-regjeringen, i Buenos Aires på en klima- og miljøkonferanse. Det gjorde et ganske stort inntrykk på meg den gangen å høre en representant fra stillehavsøya Kiribati appellere til verdenssamfunnet om hjelp til å stoppe den utviklingen som ville føre disse mest lavtliggende øyer i forhold til havets overflate til å havne under havets overflate. I Dagsavisen mandag den 21. oktober forteller man om mannen fra Kiribati som søker om flyktningstatus på grunn av klimaendringer. Havnivået ødelegger drikkevannet hans. Representanter fra regjeringen Stoltenberg har sikkert også møtt disse øyboerne fra de små stillehavsøyene i løpet av de åtte årene de har styrt norsk klimapolitikk. Allikevel måtte de fire borgerlige partiene som danner grunnlaget for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, forsterke klimameldingen som kom til det norske storting i siste stortingsperiode, et klimaforlik som den nye regjeringen nå ytterligere vil forsterke. Dette får meg til å tenke på det retoriske spørsmålet som representanten Hansson fra Miljøpartiet De Grønne satte fram tidligere i dagens debatt: «Hvis ikke vi gjør det, hvem i all verden skal da gjøre det?» Derfor må jeg få gjøre meg en annen refleksjon etter noenlunde samme mal, når jeg nå trekker fram de andre grenseoverskridende utfordringene som jeg nevnte innledningsvis, nemlig ungdom som faller utenfor. Hvorfor, spør jeg, stilte ikke den rød-grønne regjeringen seg selv dette spørsmålet i løpet av disse åtte årene som har gått: Hvis ikke vi gjør det, hvem skulle da gjøre det? I Hellas er det om lag 60 pst. av ungdommene som er uten arbeid nå. I Norge er dette tallet heldigvis lavere, men ifølge SSB per januar 2013 er 38 000 unge mennesker i Norge uten arbeid, noe som var en økning på 8 000 unge personer fra januar 2012. Utviklingen gikk med andre ord i feil retning gikk også tallene for antallet funksjonshemmede i arbeidslivet. Om lag 80 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne, men med arbeidslyst, står utenfor arbeidslivet. Også det tallet har vokst under den avgåtte regjeringen. Stilte de seg noen gang spørsmålet, tro? For den rød-grønne regjeringen gjorde det jo ikke; den avskaffet ikke barnefattigdommen med et pennestrøk, og den sørget ikke for at flere med nedsatt funksjonsevne fikk jobb. Det norsket folket ved valg var ikke enige om at pilene pekte i riktig retning under regjeringen Stoltenberg.

Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre. Velgerne ga et klart signal om at de ønsket nye løsninger på de utfordringene vi står overfor. Den grunnleggende utfordringen er å løfte kunnskapen i skolen. Den kreative forskeren starter sin karriere på barneskolen ved å møte utfordringer i sin skolehverdag. Det er derfor det er så viktig å ha lærere med høy kompetanse. Elever og lærere skal få utvikle sin skaperkraft i skolehverdagen. Regjeringen ønsker å satse på etter- og videreutdanning av lærere fordi gode lærere er garantisten for gode læringsarenaer, noe som også vil komme Østfold-skolene til gode. Det er viktig å bygge bro mellom høyere utdanning og grunnskole. Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold er en viktig møteplass for å øke interessen for realfag og helse- og sosialfag. Det er nødvendig å forankre forskningen i enkeltmenneskets hverdag. Det skal være kunnskap, evner og innsats som skal avgjøre, ikke hvem foreldrene dine er, eller hvor du kommer fra. Og vi skal anstrenge oss i fellesskap for at hvert enkelt menneske skal lykkes. Noen barn har større utfordringer enn andre. Noen er under barnevernets omsorg. Barn har klare rettigheter nedfelt i Barnekonvensjonen. Alle har behov for en familietilhørighet eller å få være del av et fellesskap. Som samfunn er det vår oppgave å gi alle barn best mulige oppvekstvilkår. Derfor er det viktig for regjeringen å styrke barnevernets kompetanse og organisering. Men vi har også en internasjonal forpliktelse – for de barna som ikke vokser opp i Norge, som utsettes for grove krenkelser. Derfor bør det i sterkere grad stilles krav om at bistandsmidler skal fremme menneskerettigheter i mottakerlandene. Spesielt bør jenters tilgang til utdanning fremmes. Den nye regjeringen har høye ambisjoner for skolen, og det er

Det gjøres mye for å forebygge mobbing i skolen, men antallet mobbeofre er likevel relativt stabilt. Det er mulig å gjøre noe med det. Da Kristelig Folkeparti satt i regjering sist, var kampen mot mobbing et viktig satsingsområde, og det ga resultater. I perioden fra 2001til 2005 ble mobbingen redusert med Jeg håper at kunnskapsministeren vil la seg inspirere av det som ble gjort den gangen. For å lykkes må vi fortsette med det forebyggende arbeidet, styrke helsesøstertjenesten og sosiallærerfunksjonen, og vi må øke lærertettheten, slik at det blir lettere for lærerne å få tid til den enkelte elev. Parallelt med

Vi må ikke glemme at også mobberne ofte er barn som opplever ulike problemer og utfordringer i livet sitt. Også disse barna må vi ta vare på på en best mulig måte. Dette er først og fremst ment som en ros av regjeringens satsing på skolen, men samtidig ønsker jeg altså å uttrykke en viss bekymring for at regjeringen har et noe ensidig fokus på kunnskap. Jeg håper at kunnskapsministeren vil ta dette som en oppfordring til å bevise at regjeringen ikke kun er opptatt av å øke elevenes kunnskap, men også av å skape et bedre læringsmiljø.

Den vesentlige delen av veinettet i Norge er ikke bygd for den trafikktetthet vi har, og heller ikke for den tonnasjen som dagens vogntog frakter. Dette medfører i sin tur sterk slitasje på veinettet, det utgjør en negativ miljøpåvirkning og har et sikkerhetsaspekt ved seg som er negativt. Dessverre har ikke oppgradering og utbygging av veinettet blitt utført i takt med endringer i trafikkbehovene, og det er derfor et stort etterslep både i vedlikehold og standard på det norske veinettet. En mye større del av nyttelasten i Norge bør nå flyttes fra veinettet over til sjøverts transport, slik at sjøen på nytt tar en større del av nyttetransporten. Regjeringen varsler som viktig satsingsområde en mer moderne infrastruktur, herunder vei, bane og kollektivtransport. Videre vil regjeringen stimulere til mer godstrafikk i nærskipsfarten. Dette hilses velkommen. For å nå målsettingen om overføring av gods fra land til sjø vil det være behov for noen sentrale tiltak, deriblant en opprustning av våre havner til å betjene en vesentlig større mengde skipsanløp til kai enn i dag. Dette vil gjelde bakarealer, kaifronter og håndteringsinnretninger for last, videre utdypning av farlige punkter i farledene og i havnene bygging og opprustning av tilførselsveier til havnene for å få en best mulig logistikk for trafikken til og fra havn lokalt. Andre tiltak er å bidra til å legge rammer for at rederinæringen er konkurransedyktig, som incentiv til å satse på anskaffelse av riktig type og moderne skip, og å se samferdsel i sammenheng i større grad enn tidligere. Regjeringen har allerede gjort gode grep, bl.a. ved å flytte Kystverkets virksomhet fra tidligere Fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet. Dette bidrar til å se utbygging og oppgradering av vei, bane og sjø i større sammenheng enn tidligere, og en kan på en bedre måte planlegge den samlede infrastrukturen slik at de midler som anvendes på disse sektorene, kan få en optimal anvendelse med hensyn til effektiv og miljømessig god infrastruktur.

vårt land så sårt trenger for å være en konkurransedyktig nasjon i framtiden. Da den rød-grønne regjeringen overtok makten i 2005, kom den til duk og dekket bord, pilene pekte oppover, og grunnlaget var lagt for en solid vekst. Når vi nå opplever et nytt regjeringsskifte, har jeg for så vidt stor forståelse for at partiene bak den avgåtte ønsker å fremstille situasjonen i norsk økonomi og norsk arbeidsliv på en best mulig måte. Dessverre er situasjonen at vi registrerer en økende arbeidsledighet og lave investeringer i fastlandsindustrien. Ifølge NHO-sjef Kristin Skogen Lunds uttalelser til Nationen 22. august i år må vi helt tilbake til 1970 for å finne et så lavt nivå på investeringer i som det nivået vi har i dag. Dette er en alvorlig situasjon. Investeringene sier noe om fremtidstro, vekstmuligheter og optimisme. Fravær av investeringer i fastlandsindustrien gir da uttrykk for det motsatte, og dette må endres for å trygge arbeidsplasser og sikre velferden i Norge. Arbeidsledigheten stiger bratt. Den siste arbeidskraftundersøkelsen fra juli i år viser at arbeidsledigheten steg fra 3,3 pst. av arbeidsstyrken til 3,6 pst., og dette er langt mer enn det som var forventet i forkant. Norge har dessverre redusert sin konkurransekraft gjennom denne åtteårsperioden og har hatt sviktende produktivitetsvekst. Skal vi tro sjeføkonom Steinar Juel i Nordea, har Norge aldri tidligere hatt en så sterk forverring av konkurranseevnen som i årene etter 2005.

I forhold til nivået i Sverige og Danmark er norske timelønnskostnader 30–40 pst. høyere, mens det er 50–70 pst. høyere enn i Frankrike og Tyskland og to og en halv gang over nivået i Storbritannia. Vi har et høyt lønnsnivå, og skal vi være konkurransedyktige i en globalisert verden, må vi være mer produktive, mer innovative og mer kreative enn våre konkurrenter. Den nye regjeringen vil løfte konkurransekraften for næringslivet i Fastlands-Norge. Vi ønsker at det skal skapes flere trygge arbeidsplasser over hele landet. Arbeid er grunnlag for velferd både for oss som enkeltindivider og for velferdssamfunnet vårt. Jeg er glad for at regjeringen vil satse mer på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljøer og ha som målsetting at Norge skal være blant de mest innovative landene i Europa.

at vi har klamret oss til det som jeg anser som det kanskje billigste argumentet i retorikkboken, nemlig argumentet om at vi aldri i historien har brukt mer midler på det eller det. Det er et svakt argument, for det sier ingenting om resultatene. Det er et svakt argument, fordi det villeder velgerne til å tro at ting dermed blir bedre når man bruker mer penger. Men ikke minst er det et dårlig argument fordi det er en enkel måte for politikere å løpe fra ansvaret sitt på. Et felt som kanskje mer enn noe annet illustrerer dette poenget, er justisfeltet, nærmere bestemt politiet. Til tross for grunnleggende systemsvikt i år etter år har altså medisinen vært mer penger, mer penger, mer penger. Antall bevilgede midler til politiet har økt markant, mens etterforsknings- og oppklaringsgraden har stått på stedet hvil. Direktorat/saksbehandlingsmengde har økt, men tilliten til politiet har sunket. La en ting være klart: Politiet trenger ikke bare penger, de trenger bedre ledelse. Heldigvis har Norge nå fått en regjering som ikke kan og ikke vil

Familie, skole, idrettslag, arbeidsplass og andre fellesskap er viktige arenaer for å skape denne livskraften. Engasjementet var stort både hos meg og hos andre lokalpolitikere da vi startet arbeidet med ny kommuneplan nettopp for å skape denne livskraften. Målet var at kommunen vår skulle tilby gode offentlige tjenester, og regionen skulle framstå som den mest attraktive regionen til å levere gode tjenester og å bo i og ikke minst etablere næring i. Utfordringene med Fylkesmannens skjønn lot ikke vente lenge på seg. Med svært mange innsigelser ble dette veldig, veldig krevende. Det ble en følelse av avmakt hos meg som ordfører, men også blant kommunestyrerepresentantene. Som ordfører opplevde jeg en uheldig praktisering av – som nevnt nå – innsigelsesmulighetene, ivrig brukt av fylkesmannsembetet og fylkeskommunen. Erfaringen min som ordfører generelt og i denne kommuneplanprosessen gjør meg helt overbevist om at vi trenger en kommunereform. Innbyggerne i vårt flotte land fortjener et aktivt lokaldemokrati, et kompetent fagmiljø med interessante oppgaver og ansvarsområder. Dette gir robuste og bærekraftige kommuner, med god faglig kompetanse innen alle fagområder. Rekrutteringen av erfarne saksbehandlere var krevende innen mange fagfelt. Spesielt innen barnevernet, men også innen andre fagområder opplevde jeg dette. Fagmiljøene ble for små for svært mange søkere,

og at staten får et mindre ansvar. Den statlige overstyringen av kommunene må etter mitt syn reduseres til et minimum. For å få dette til må vi ha tilstrekkelig med fagkompetanse og større kommuner. Det var veldig kjekt i dag å høre kommunalminister Jan Tore Sanner og Helge André Njåstad. Jeg er helt trygg på at denne prosessen kommer til å bli

Mye tyder på at vi nå får et langt mer vitalt storting, der beslutningsprosessene i langt større grad er åpne, og media, lokalpolitikere og velgere får synliggjort hvem som har hvilke standpunkt i saker som kommer til behandling, og får servert argumentene for hvorfor partiene mener det de mener. I tillegg får også de folkevalgte representantene i denne sal mulighet til å påvirke politikken i langt større grad enn før. Det er bra. Sånn skal et parlament fungere. Det er selvfølgelig flere årsaker til denne endringen, for det første den parlamentariske situasjonen med en mindretallsregjering, som må søke flertall i Stortinget med ett eller flere partier. Samtidig har også regjeringen gjort det klart at Stortinget uavhengig av dette vil bli møtt med langt større respekt, og at komiteenes diskusjoner og høringer i mange saker vil føre til reelle endringer i den politikken som føres. Dette er slått fast både i regjeringserklæringen, i samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre og av statsministeren fra denne talerstolen. Dette står i sterk kontrast til tidligere. Til tider har det framstått som om den avgåtte rød-grønne regjeringen har vært mest opptatt av å forsvare hvert punktum og hvert komma for enhver pris for å bevise sin egen fortreffelighet. Norge er på svært mange måter et åpent land. For eksempel kan nesten hvem som helst følge debattene i Stortinget fra galleriet. hvis debattene i Stortinget kun blir skinndebatter. Jeg er glad for at dette nå endrer seg, og at vi nå ser et revitalisert storting som virker for de gode løsningene uavhengig av hvilken partinål forslagsstillerne har på jakkeslaget. Det er ingenting i denne verden som kan tas for gitt. Det gjelder både for enkeltmennesker og

Det finnes ingen partier på Stortinget som ønsker å rasere fellesskapene våre, men det finnes partier som ønsker å utvide dem, som mener at fellesskapene må bli større, slik at vi kan ta alle gode krefter i bruk for å videreutvikle velferdsgodene, f.eks. på rusfeltet. Det finnes ingen partier på Stortinget som ønsker å rasere eller nedprioritere velferden. Vår velferdsstat er ikke en konfliktlinje i norsk politikk. Men det finnes partier som ønsker å sikre velferdens bærekraft, som er opptatt av å bevare velferdsstaten for framtiden. Vi har fått en regjering som tenker lenger enn fire år av gangen, en regjering som har et generasjonsperspektiv på sin politikk. Jeg tror ikke på utopier. Det perfekte, ferdig utviklede samfunnet finnes ikke, og en vei mot perfeksjon er aldri farbar. Jeg tror at et samfunn alltid kan justeres, skrus på og forbedres. På tross av gode velferdsordninger er det fortsatt mennesker som ikke får den hjelpen de trenger, og som opplever store vanskeligheter i Norge. Vår velferd, vårt sikkerhetsnett, må bli sterkere enn det er i dag. Derfor skal vi tette hull i sikkerhetsnettet for folk som faller utenfor. Vi skal sammen bedre tiltakene for barn som vokser opp i fattige familier, og vi skal sikre opplæring for voksne som mangler grunnleggende ferdigheter. Slik skaper vi sammen et Norge som gir muligheter for alle. Vi trenger flere ressurser til samlivstiltak. Samlivsbrudd er

men vi tror at med en forsterket innsats på nettopp det forebyggende området kan man redusere risikoen for samlivsbrudd, men også styrke muligheten for et godt foreldresamarbeid i etterkant av et brudd. Vi har fått mye dokumentasjon på erfaringer med ulike kursopplegg på samlivsområdet. Ved å styrke relasjonskompetansen i parforhold forebygges mange sosiale problemer, f.eks. vold, rus og psykiske lidelser. Jeg vil spesielt understreke de svært positive erfaringer som er gjort med kursopplegget Level – et helhetlig, lokalt forankret samlivskurskonsept som gir tilbud til par i ulike livsfaser, fra elever i den videregående skole til familier med spesielle behov. Fagmiljøene berømmer de forebyggende grepene som dette opplegget har tatt. De menneskelige og økonomiske gevinstene av dette er veldig godt dokumentert. Samferdsel er et viktig satsingsområde for Kristelig Folkeparti. Framkommelighet, tilgjengelighet, trafikksikkerhet og miljø skal legges til grunn for politikken. Men samferdsel handler også om verdiskaping, distriktspolitikk og livskvalitet. Vi har et næringsliv i Lister-regionen og på Agder som roper etter en bedre infrastruktur. Et mer utviklet transportnett kan koble distrikt og bysentra sammen, skape bedring av levekår med et større tilbud av flere og mer varierte arbeidsplasser. For Sørlandet handler infrastruktursatsing om å tilrettelegge for en politikk som kan bedre rammevilkårene for etablerte næringer og tilrettelegge for at nye kompetansearbeidsplasser kan bli skapt. Det handler om å ta grep for å motvirke de sterke sentraliseringstendensene. Derfor blir utbygging av E18 og E39 til en firefelts motorvei viktige satsinger sammen med en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. For Kristelig Folkeparti vil det bidra til infrastruktursatsing som kan bli et sentralt virkemiddel i arbeidet med å gjenreise troen på et livskraftig Distrikts-Norge. Statsminister Solberg er

Vi har grunn til å være takknemlig for den velstand oljesektoren har brakt oss. Samtidig er det et stort tankekors at vår økonomi er mer oljeavhengig enn noen gang etter åtte års rød-grønt styre. Vi trenger et taktskifte når det gjelder investeringer i annen industri og næringsliv. Skal vi lykkes i morgendagens samfunn,

når en person dropper ut av skolen og må gå på trygdeordninger gjennom en hel yrkeskarriere. Det er dyrt når vi vet at frafallet er nærmere 30 pst. – for ikke å snakke om hva det gjør med selvfølelsen til de unge som faller ut av skole og arbeidsliv. Her har vi et stort ansvar for å sørge for at flere gjennomfører. mestringsopplevelse og mulighet til å ta ansvar for eget liv. Skal vi lykkes med dette, krever det fleksibilitet i opplæringsløpet og mer fokus på individ enn på system. Skal vi sikre norsk konkurransekraft i framtida, trenger vi også en kunnskaps- og kompetansepolitikk for framtida. Vår vilje til investering i høyere utdanning og forskningssektoren er avgjørende. Der vi ikke kan konkurrere på pris på arbeidskraft, må vi konkurrere på kompetanse og teknologi. Derfor tror vi i regjeringspartiene at universitets- og høyskolesektoren vil spille en stadig viktigere rolle i å utdanne studenter med høy kompetanse til både offentlig og privat sektor. Derfor kvalitet i høyere utdanning være svært viktige satsingsområder i kommende stortingsperiode. Sammen med en forsterket innsats i forskningssektoren vil det være avgjørende for å sikre verdiskapningen vår i framtida. Eg entra dette landets fremste talarstol tidlegare i dag. Det var ei hyggeleg oppleving, og

presenterte heller ikkje eigne løysingar på vegner av sitt parti. Han stilte derimot spørsmål ved min og Venstre sin motivasjon for å ønske å endre arbeidsmiljøloven, for å ønske å skape eit meir fleksibelt arbeidsliv – der motivasjonen tilsynelatande ikkje er, som eg seier frå denne talarstolen, å skape ein meir berekraftig velferdsstat, men derimot å gjere forholda verre og svekke rettane for vanlege arbeidsfolk. Eg synest at representanten Serigstad Valen, som eg ser har teikna seg til eit nytt innlegg, kan forsøke å tilbakevise nokre av de fakta eg er bekymra over. Når eg seier at i fjor var vi 4,5 i arbeidsfør alder per pensjonist, og at vi vil vere 2,5 i 2060, er det ikkje tal som Venstre har funne på. Det er tal som kjem frå perspektivmeldinga, frå den raud-grøne regjeringa, frå SV. Når eg seier at vi har ei deltidsjustert sysselsetjing i Noreg på 61 pst., er ikkje det eit tal som eg finn på, det er tal som kjem frå OECD. Slike tal bør mane til konstruktivitet, det bør mane til at ein sørgjer for at vi arbeider meir og at fleire kjem inn i arbeidslivet. Eg kan vanskeleg sjå noka anna løysing, med mindre SV ønsker å kutte i offentlege utgifter. Eg mistenkjer at det ikkje er tilfellet. SV bør også – meir enn andre – vite at dei 135 mrd. kr som dei i år foreslår å bruke over statsbudsjettet av oljepengar, ikkje vil vere der for alltid. Dette meiner eg i større grad er eit generasjonsspørsmål enn eit partipolitisk spørsmål. Eg håper at eg og representanten Serigstad Valen, som tilsynelatande høyrer til same generasjon, i alle fall når det gjeld alder, tek desse utfordringane saman. Avslutningsvis vil eg seie at når SV og representanten Serigstad Valen snakkar om at Venstres forslag om å endre arbeidsmiljøloven vil føre til at ein flytter makt frå arbeidstakarane og opp til arbeidsgivarane, reagerer eg på den framstillinga. Når vi foreslår at ein arbeidstakar som vel å ta litt tidlegare fri på ettermiddagen for å vere saman med barna sine på fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveld, for så kanskje å svare på e-post etter klokka ni, ikkje skal vere ein lovbrytar, er ikkje det å flytte makt opp, ikkje det å flytte makt opp, det er å flytte makt ned – der ho høyrer heime. Det er med ydmykhet og kveld, for så kanskje å svare på e-post etter klokka ni, ikkje skal vere ein lovbrytar, er ikkje det å flytte makt opp, det er å flytte makt ned – der ho høyrer heime. Det er med ydmykhet og glede jeg står på talerstolen i dag, for første gang i posisjon, ja, for første gang i regjering. Det føles faktisk ganske annerledes når jeg vet at det er Høyre og Fremskrittspartiet som har hånden på rattet, med støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre – ja, ikke bare annerledes, Da skrøt de rød-grønne av at de hadde overoppfylt den forrige NTP-en. Ja, de var veldig oppglødd over det fordi de vel på en eller annen måte trodde på det de sa. Men de skjønte ikke at de tok feil. I kroner og øre oppfylte nok den rød-grønne regjeringen den gamle planen, men ikke i prosjekter. Mange av de prosjektene som var nedtegnet i den gamle NTP-en, ble ikke engang startet opp fordi det ikke var tatt nok hensyn til kostnadsøkninger eller prisøkninger

Man skulle tro at den gamle regjeringen hadde tatt høyde for dette da de kom med den nye planen, men den gang ei. Ikke engang i de første årene av sin NTP og i sitt eget statsbudsjett klarte de å følge opp den NTP-en de selv har vært med på å vedta, med nok penger. På flere områder er det mangler. På vei mangler det nesten 4 pst. for å kunne oppfylle planen. For 2014 oppfylles bare 21,1 pst. av totalen for de fire neste årene, og det er ikke mye å være stolt av. Et av favorittuttrykkene til den tidligere rød-grønne regjeringen var at alt skulle «fases inn», men da visste vi at det ikke ville komme nok penger til de lovede prosjektene. Jeg er, som tidligere sagt, veldig glad for at vi har en ny regjering – en regjering som har lovet å satse på samferdsel, og som vil gjøre noe med det. Vi vil jobbe annerledes, smartere og få mer ut av hver krone, slik at det blir mer vei og mer Trygge, gode veier og gode kollektivløsninger til beste for folk flest er ting vi jobber med, streber mot og som vi vil lykkes med. Hvorfor det? Jo, fordi den norske befolkningen fortjener det. Det er

Barnehageplasser f.eks. er ikke kun en utgift. Det er tvert imot en investering. Det gjør at flere kan jobbe. Det er noe samfunnet tjener på. På samme måte er ikke høye lønninger og høye skatter en byrde for et samfunn, det er tvert imot et tegn på at fordelingen fungerer, at velferdsstaten fungerer, og det henger sammen med høy produktivitet. På samme måte er ikke hele stillinger eller strenge arbeidsmiljølover et problem i et samfunn. Det sikrer tvert imot trygghet i folks hverdag og gjør det mulig å ta sjanser man ikke ville kunnet ta i et mye mer deregulert system. Med Rotevatns logikk skulle arbeidsløsheten vært høy og sysselsettingen lav i et så regulert land som Norge, siden det å deregulere fellesskapsordningene våre er det som skal sikre velferdsstatens bærekraft. Men sånn er det jo ikke. Det er omvendt. For det andre blir det hult når svaret på spørsmålet om velferdsstaten er bærekraftig, alltid er ja, det er den, bare vi svekker den litt – spesielt når vi vet at den private kjøpekraften i Norge nesten kommer til å doble seg innen 2050. Det tør ikke de som tar på seg bekymret mine når de snakker om velferdsstatens framtid, å ta i. Og når man lover enorme skatteletter til en pengesterk elite, som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har gjort, sier det seg selv at man må kutte et sted eller få folk til å jobbe mer. Men kom ikke og si at det er for å bevare fellesskapet. Det er fullt mulig å bevare velferdsnivået i Norge om vi vil prioritere det. At det er konflikt mellom flertallet i Stortingets politikk og velferdsstatens grunnlag, er ikke noe jeg finner på. Saken er den at Rotevatns partileder, som sier at hun blir kvalm av å høre på LO, har brukt sin makt i parlamentet til å innsette en regjering bestående av Høyre, hvis parlamentarikere går lei etter en uke med tilbakemelding fra velgerne, og Fremskrittspartiet, som inntil nylig var imot kollektiv lønnsdannelse i det hele tatt. Da kan det ikke være noen overraskelse at mine og andre på venstresidens forventninger om en lyttende regjering som slår ring om velferdsstaten, ikke er på topp. For usosial politikk er like usosial uansett hvor mange ganger man sier ordene «velferd» eller «framforhandlet plattform». Vi er en ganske så merkelig debatt her i huset. Det virker litt som om opposisjonen ikke helt har funnet sin rolle, og som om det tidvis er vanskelig å tolerere valgresultatet, som var ganske enkelt: Velgerne ga de borgerlige et historisk høyt flertall, og dermed plasserte de de rød-grønne i opposisjon. Opposisjonen bruker debatten vekselsvis til å rope ut om utallige løftebrudd utallige løftebrudd som har vært begått av regjeringen i løpet av de siste fem–seks dagene, for så i neste øyeblikk å påpeke at de selv i posisjon, rett før valget, faktisk vurderte å starte arbeidet med mye av det de borgerlige mente var nødvendig. Når representanten Tove Karoline Knutsen varsler at de rød-grønne har startet arbeidet med å få ned helsekøen, står det i kontrast til hennes senere uttalelse om at det ikke finnes ledig kapasitet i helsesektoren. Det er ingen der som går rundt og sparker småstein, hevder representanten. Nei, det siste har hun sikkert rett i, uten at det har noen betydning for denne saken. De sparker ikke småstein, de er aktive i en offentlig tjenestesektor. De får bare ikke fram det aller beste i seg. Derfor er det viktig for regjeringen at vi bruker mangfold som et verktøy for å synliggjøre kvaliteten i tjenesteleveransene. Derfor er privat sektor viktig. Man kan av og til få inntrykk av at det å stå i helsekø er en sosialdemokratisk dugnad, at det er sånn at man «tar en» for nasjonen hvis man står i helsekø. Det er helt feil. Det er viktig å få ned helsekøene, og ved å få personer gjennom behandling, ved å få personer gjennom rehabilitering og ut i jobb, får man mulighet til å yte for fellesskapet. «Fellesskapet» er også et begrep som bør behandles i denne debatten. Når Snorre Valen angriper kontantstøtten og privatskolene som en fare for fellesskapstanken, har han for så vidt rett i det, men det er fordi han har en veldig smal definisjon av hva som er fellesskapet. Og den definisjonen traff faktisk ikke velgerne ved siste valg. Når en familie skal ha rett til å velge oppvekstform for sine barn, er det også fordi vi på borgerlig side ser på familien som et fellesskap. Når vi mener at det kan være positivt at en familie kan velge alternativ utdannelse for sine barn, er det i forvissning om at foreldrene kanskje vet best, og at man i det fellesskapet kan ta sånne avgjørelser til beste for sine barn og for det store fellesskapet. Like muligheter for alle forutsetter at vi erkjenner at vi alle er forskjellige, og at vi alle har forskjellig utgangspunkt. Den erkjennelsen har vært fraværende i det åtteårige rød-grønne prosjektet. Det var det velgerne ga beskjed om ved siste valg.

Riktignok har både offentlig og privat sektor erfaringsmessig forholdt seg lojal og fornuftig til den til enhver tid sittende regjering. Foran høstens stortingsvalg var imidlertid forventningene til et politisk skifte særlig store hos store deler av privat sektor. Hvor vi enn kom i valgkampen, til små og mellomstore privateide bedrifter, var budskapet det samme: Nå må det gjøres noe med formuesskatten og arveavgiften. Utallige var eksemplene fra bedriftseierne på hvorledes formuesskatten tappet bedriftenes egenkapital når utbyttet måtte tas ut, beskattes og så erlegges som formuesskatt. Eksemplene på urettferdige og uheldige konkurranseforhold Hotelleieren til ett av Hordalands fremragende familiehoteller kunne opplyse om slike konsekvenser. Formuesskatten måtte betales, mens konkurrenten, hvor hotellet var eiet av en utenlandsk hotellkjede, ikke hadde belastningen som formuesskatten medførte. Hva er så løsningen her? Man kunne selge hotellet som hadde vært i familien i generasjoner, og slippe unna problemet. Er det god moral? Å overføre eierskapet til neste generasjon er heller ikke enkelt. Arvemottaker har gjerne ikke anledning til å motta en slik gave på grunn av arveavgiften. Er det slik vi vil ha det? Da Høyre tok opp problemene med formuesskatt og arveavgift, ble dette møtt med en massiv motstand og en slags Heldigvis avtok denne kritikken etter hvert. Ved framleggelsen av statsbudsjettet pekte den avgående regjeringen på at bunnfradraget både når det gjelder formuesskatt og arveavgift, er økt. Dette er bra, for det viser at Høyres påpekninger her har møtt forståelse etter hvert. Imidlertid er forslaget som ligger i det framlagte budsjettet, for puslete. Plattformen til den nye regjeringen regjeringen fastslår at formuesskatten skal ytterligere ned, og at satsen på den gjenværende del skal senkes. Dertil kommer at arveavgiften skal fjernes helt. Næringslivet i Norge kan se fram til dette. Jeg er

Også disse innbyggerne skal ønskes velkommen gjennom et godt fungerende arbeidsmarked, boligmarked, kollektivtilbud, skoler og velferdstjenester. Befolkningen i byområdene øker og forventes å øke i årene framover. Vi trenger å gjennomføre en kraftig satsing på infrastruktur i og rundt de største byene. Regjeringen vil sikre at dagens belønningsordning for baseres på objektive kriterier og dokumenterbare resultater. Det gleder meg. I 2030 vil min hjemby ha over 800 000 innbyggere. Vi vet at utdanning er en av de viktigste faktorene for både integrering og sosial mobilitet. Oslo og andre byers vekst i barne- og ungdomssegmentet medfører behov for betydelige investeringer i skolekapasitet i årene som kommer. De store byene har mye som skal til for å lykkes, men samtidig er det også i byene at vi finner de største utfordringene. Det vil alltid være noen i samfunnet som faller utenfor. Det offentlige kan ikke være alt for alle, men skal være der for dem som trenger det mest. Byene har større sosiale utfordringer, men de har også større evne Jeg ser derfor fram til at byene får bedre muligheter til selv å møte disse utfordringene i samarbeid med staten. I regjeringens plattform gis storbyene et vesentlig større handlingsrom gjennom økt frihet fra statlig detaljstyring. Men la oss nå ikke falle for fristelsen til å gjøre dette til en debatt om by mot land, for det er det ikke. Regjeringen er klar på sin satsing i distriktene, og Høyre kjenner distriktene godt. Over 50 pst. av landets befolkning bor i en høyrestyrt kommune. Landet bygges nedenfra. Våre lokalsamfunn er noe av det beste ved landet vårt, men byene er viktige for utviklingen av de ulike landsdelene. Flere arbeidsplasser og gode kollektivtilbud i en by skaper befolkningsvekst, skoler, boliger, arbeidsplasser og barnehager i nabodistriktene. I en storby skal det være plass til alle. Det skal være plass til den som søker jobb, og til den som vil skape sin egen. Det skal være plass til den som har flyttet til byen for å studere, men har hjertet i hjembygda, og det skal være plass til flyktningfamilien som etter hard jobbing flytter ut fra sin kommunale bolig på Sagene og realiserer boligdrømmen ved å kjøpe rekkehus i Groruddalen. I storbyen skal det være plass til alle. Det skal den nye regjeringen sørge for, og jeg ser fram til

Uføres alderspensjon, hvorav mange av dem har vært unge uføre og aldri hatt mulighet til å være i jobb, skal nå miste den halve skjermingen av levealdersjustering som den forrige regjeringen la inn. Det er altså de som skal bære byrdene av høyresidas behov for å gi skattelette til landets aller rikeste personer. Det er en usosial profil, det er en urettferdig profil, og det har ingen verdens ting med arbeidslinja å gjøre. Representanten Kapur var nettopp oppe her og sa at velferdsstaten skal være mest til for dem som trenger det mest. Ja, den skal det. Derfor er velferdsstaten et gode, en fordel for samfunnet. Vi produserer mer når den er god og sterk, men jammen er det også et etisk standpunkt, et moralsk standpunkt, som sier at alle mennesker har rett til å leve verdige liv – leve gode liv, ha gode dager – sjøl om helsa ikke er sånn at man har kunnet stå i arbeid en eneste dag i livet. Representanten Rotevatn er bekymret for arbeidslivet. Men det han ikke skjønner, er at den viktigste fordelingen av makt og penger foregår i arbeidslivet, og det er ikke slik at en arbeidsgiver og en arbeidstaker er Derfor er det så viktig at en arbeidstaker kan støtte seg på fagbevegelsen for å oppnå de rettighetene han har krav på, men også få beskyttelse for å få de rettighetene som arbeidsmiljøloven i dag gir. Det er jeg glad for. Mer midlertidighet fører bare til mer midlertidighet. Det blir ikke flere jobber av det, men det er flere som må jobbe utrygt lenge – ikke kunne ta opp lån for å etablere seg og ikke kunne gå videre i livene sine. Funksjonshemmedes organisasjoner vil ikke ha flere midlertidige stillinger. Snakk med dem! Det har jeg gjort i de 16 årene jeg har sittet på Stortinget. Aldri har de bedt om å bli skjøvet foran for å svekke arbeidstakernes rettigheter, som om det skulle være lettere for dem å jobbe i et arbeidsliv som er tøffere enn det vi har i dag. Det er ikke slik. Det er heller ikke slik at arbeidstakere flest i Norge kan gjøre jobben sin fra en laptop på hytta. Nei, de må kjøre bussen, de må stå i butikken, de må jobbe på sykehjemmet, i barnehagen og i skolen. Der er vi avhengig av at arbeidstida er slik at det er mulig å stå til pensjonsalderen. Jeg har med stigende undring lyttet til flere som fra denne talerstol kan synes å ha forvekslet 2013 med 2005, for det var da i 2005 at Dagsavisens Arne Strand skrev at regjeringen kom til dekket bord. Arbeidsledigheten var på vei ned, renta på vei ned og økonomien på vei opp. I dag er denne situasjonen litt annerledes. DnBs administrerende direktør, Rune Bjerke, sier at økonomien er på vei fra full gass til halv fart. Ledigheten har steget det siste året og er på vei oppover. Det er 15 000 flere fattige barn enn da de rød-grønne tok over i 2005. Det er rekordhøyt gjeldsnivå i kommunene. Todelingen av økonomien har økt. Dette skjer samtidig som perspektivmeldingen av 2013 fastslår at den norske velferdsstaten ikke er bærekraftig på sikt – dette grunnet bortfall av bl.a. oljeinntekter, pensjonsforpliktelser og andre Underdekningen av velferdsstaten vil bare øke dersom vi ikke får en ny retning for Norge. Jeg husker at Arbeiderpartiet i valgkampen mente at skattelette ikke var forenlig med offentlig velferd. Dette er selvfølgelig ikke riktig. Det visste de da, og det viste de i årets framlagte budsjett. Her er det foreslått å øke fribeløpet for arveavgiften og bunnfradraget for formuesskatten.

overleve. Den største feilbeslutningen tok de allerede på 1980-tallet da de hadde funnet opp digitalkameraet, men valgte å fortsette med papirfilm, for det var framtiden. Det var beslutninger 30 år tilbake i tid som førte til konkursen i 2012. Det ville vært manglende endringer av dagens velferdsstat som ville ført til velferdsstaten Norges fall i en framtid ikke langt unna. Manglende endringer i dagens velferdsstat ville føre til at velferdsstaten Norge falt i en framtid unna. Derfor er jeg så glad for at vi har fått en ny regjering som har ambisjoner på vegne av norske elever, norske arbeidsplasser, innovasjon, forskning og nyskaping. Det er dette som vil sikre velferdsstaten i framtiden og sikre muligheter for alle. Det er ingen motsetning mellom skattelette og velferd. Høyre ga skattelette til folk med vanlige lønninger sist vi satt i regjering, samtidig som vi reduserte helsekøene. Dette har Høyre gjort før. Dette er vi i ferd med å gjøre igjen.